Derfor vil Venstres stortingsgruppe også i denne perioden være opptatt av rammevilkårene for de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. Venstre gjennomførte høsten 2010 en omfattende bedriftskampanje hvor nær 1 000 små og store bedrifter ble besøkt. Tilbakemeldingene fra bedriftsledere og ansatte er at det er spesielt tre ting de er opptatt av. Det første er en kraftfull reduksjon av skjemaveldet, det andre er å gjøre det enklere å ansette flere, spesielt i oppstartsfasen, og det tredje er tilgang på kapital. Disse tilbakemeldingene har et stort sammenfall med det engasjementet Venstre har hatt i Stortinget i både tidligere og inneværende periode, bl.a. Venstres representantforslag om å fastsette et mål på 25 pst. reduksjon i næringslivets skjemabelastning. Jeg mener det er avgjørende viktig at også Norge setter seg mål om skjemakutt. Uten et konkret mål er det mye lettere å la være å gjøre de nødvendige og viktige grepene. Vi har foreslått et eget regelråd, som har vært en suksess i Sverige. Dette ble nedstemt. De rød-grønne har gått høyt på banen når det gjelder forenkling. Men Dagens Næringsliv 21. september hadde overskriften «Giskes forenklingsbløff», og Dagens Næringsliv 30. september hadde overskriften «Byråkrati blir verre». Slik går det med denne viktige saken for næringslivet. Venstre har også fremmet et eget representantforslag om å heve beløpsgrensen for oppgaveplikt til 2 mill. kr. Det vil etter Venstres syn være et målrettet forenklingstiltak for de minste bedriftene. I forbindelse med den andre viktige saken for næringslivet, nemlig å gjøre det enklere og billigere å ansette flere, har Venstre både i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 og i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fremmet forslag om å halvere arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter. Venstre har også fremmet en rekke forslag om å bedre rettighetene for selvstendig næringsdrivende både når det gjelder retten til minstefradrag og etablering av fondsordninger, innbetalinger og forskuddstrekk, og når det gjelder sosiale rettigheter og bedring av når det gjelder sosiale rettigheter og bedring av pensjonsrettighetene. For å sikre tilgang til risikovillig kapital til nystartede bedrifter har Venstre fremmet forslag om et skatteincentiv, en kapitalfunnordning som belønner investorer som bidrar med kapital og kompetanse i nystartede bedrifter i minimum tre år. Venstre fremmet også et eget representantforslag om om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial som høstet mange godord under Stortingets behandling 10. mars i år. Næringsminister Trond Giske sa bl.a.: «Det er et grundig og gjennomarbeidet forslag representantene Tenden og Skei Grande har lagt fram. Forslaget tar opp mange av de ulike problemstillingene rundt å utforme effektive virkemidler for å fremme etablering og utvikling av oppstartsselskaper med stort vekstpotensial.»

Det har vært mye skryt fra de rød-grønne om pengebruk på vei og bane, og Venstre har støttet samferdselssatsingen, bortsett fra at vi har bevilget mer til jernbane og kollektivtrafikk i de store byene. Nå ser jeg at samferdselsministeren sier at de nye veiene skal tåle norske vintre også, og det er bra. Verre er det med regjeringens prestisjeprosjekt, Follobanen. Det ser ut til å bli tre års forsinkelse av forhold som har vært velkjent lenge, nemlig utfordringer knyttet til Middelalderbyen. Det må være vanskelig å forsvare. Det som imidlertid er gledelig innenfor samferdsel, er: Det er flere statsråder som i valgkampen har lovet at staten skal bidra med støtte til dyre bybaneløsninger i og rundt de store byene våre. Dette ser vi fram til, det er viktig både for miljøet og fremkommeligheten i byene våre.

god inkluderingspolitikk, humanistiske verdier. Tidligere har Venstre vært forbilledlig klar på ikke å ville støtte en regjering som Fremskrittspartiet er en del av, fordi Fremskrittspartiets verdier bryter så fundamentalt med den norske samfunnsmodellen. Likevel har vi i Oslo sett at Venstre har bidratt til å sikre Fremskrittspartiets posisjoner og innflytelse. Jeg har et todelt spørsmål: Vil Venstre bidra til at velgerne får vite hvilke regjeringsalternativer på borgerlig side som er aktuelle?

til å trives godt med i Oslo. Jeg prøver å tolke svaret, men det er ikke helt enkelt. Det står i en viss kontrast til tiden før forrige stortingsvalg. Den gangen var Venstre-lederen garantisten for at Fremskrittspartiet ikke skulle komme i regjering. Sponheim satt den gangen i Politisk kvarter og skrev under en garanti om at Venstre ikke ville samarbeide om statsbudsjettet med en regjering der Fremskrittspartiet var med. Han begrunnet det den gangen med å si: «Jeg er glad i landet mitt, og jeg er stolt av å bo her. Det er grunnen til at jeg absolutt ikke vil ha Frp i regjering.» Det er jo kloke ord. Han sa til og med at velgerne skulle få komme på gården hans i Ulvik og banke ham opp hvis han brøt det løftet. Så ble det jo som kjent rød-grønt flertall, så det var ikke behov for at noen skulle banke opp noen som helst. Men jeg prøver meg på en ny variant av forrige spørsmål: Står Venstres velgergaranti fra forrige stortingsvalg ved lag? Nå har vi en ny leder, en leder som også er veldig glad i landet sitt, og jeg er helt sikker på at hun, sammen med alle oss andre, vil ta et klokt valg.

finanstransaksjonar. Det har Venstre tidlegare uttalt seg skeptisk til, men no ser vi at stadig fleire land i Europa ser at transaksjonsskatt, eller skatt på finanstransaksjonar, er nødvendig for å unngå at vi får ei ny finanskrise, og for å skaffe midlar til ein slunken statskasse. Er Venstre på glid i retning av å vere for

når det gjeld nedsal i statsbedrifter. Det gjeld også nedsal i Statoil til 51 pst. Det medfører bl.a. at staten og samfunnet får vesentleg mindre kontroll over selskapet – bl.a. får vi eit nedsal frå 67 pst. til 51 pst. og mindre kontroll over vedtektene til selskapet. Kvifor ønskjer Venstre at samfunnet skal ha mindre kontroll over selskap som disponerer så store naturressursar?

vi vil bruke pengene. Vi vil bruke de pengene til oppstart av nye bedrifter, verdiskaping, gründervirksomhet. Det synes vi i Venstre er en klok måte å bruke pengene på. Representanten Tenden og Venstre har eit engasjement for gründerar og småbedrifter, og det er

men i etterkant sjølvsagt har betalt tilbake til samfunnet denne støtta mange gonger gjennom verdiskaping. Derfor var det mange i Senterpartiet som var overraska då Venstre i den førre regjeringsdeltakinga si var med og kutta desse midlane og reduserte dei. Sidan har dei hatt ei meir konstruktiv tilnærming til det, og mitt spørsmål er ganske enkelt: Kan vi vente at Venstre viss dei i framtida ein gong skulle komme i regjering, vil stå saman med Senterpartiet for å sikre desse viktige midlane for gründerar og initiativtakarar over heile landet? Først er jeg veldig glad for at representanten sier at Senterpartiet er et parti synes på mange måter vi har sett litt lite til det i disse årene jeg har sittet på Stortinget. Når det gjelder Olden vatn og Moods of Norway, er jeg helt sikker på at de bedriftene hadde greid seg like bra med alle de virkemidlene som jeg refererte til det kjedsommelige på talerstolen for en liten

Ein har ikkje nødvendigvis feite lommebøker eller rike onklar som kan sikre dei hjelp til å komme i gang. Nettopp derfor har ein reiskapar som Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og regionale utviklingsmidlar, som vi ser skaper mange arbeidsplassar kvart einaste år. Spørsmålet mitt er: Vil Venstre kjempe for desse midlane og at dei skal oppretthaldast, i lag med Senterpartiet, eller vil dei gå inn på den linja som dei førte då dei sat i regjering, nemleg å kutte ned på desse midlane? Når det gjelder akkurat Innovasjon Norge, er vi litt uenige når det gjelder den typen Innovasjon Norge som jeg tror representanten snakker om. Vi ønsker å dele opp Innovasjon Norge i to, slik at mer penger brukes til nettopp nye bedrifter og nye tanker, som representanten snakker om, og ikke at det er sånn som nå – at mye av pengene brukes til allerede etablerte bedrifter. Det synes vi er en stor ulempe. Det brukes altfor lite penger til nye bedrifter og nye tanker. tanker. Så har vi alle de andre virkemidlene som jeg også har håpet at et parti, et sentrumsparti som Senterpartiet, ville støtte litt mer opp om. Men det kan komme nye tider. Replikkordskiftet er omme. Vi likar å framheve at dei demokratiske verdiane vi har, er trygt fundamenterte i det norske samfunnet og den styringsmodellen vi har. Det er grunn til

Ikkje desto mindre er det difor grunn til å hegne om og vidareutvikle ein styringsmodell som tek folk på alvor, som sikrar medverknad og deltaking, og som presenterer løysingar som treffer folk der dei bur – ein styringsmodell som må evne å justere seg, dersom det må til for å sikre legitimiteten. Vi må difor ikkje late att auga for at det er mange menneske rundt om i landet vårt som opplever at avstanden mellom dei styrande og dei som skal halde seg til vedtak som vert gjorde, aukar. På energi- og miljøkomiteen sitt område får vi mange tilbakemeldingar på felt som arealforvalting, rovdyr og vern. Mange føler seg makteslause i møte med ei forvalting som i for liten grad gjev rom for fornuftig og berekraftig bruk, men vurderer små og store tiltak under same rigide regelverk. Nokre kjenner seg framandgjorde i møte med språk og omgrep ein ikkje er kjend med, og med juridiske formuleringar ein ikkje fullt ut klarar å vurdere følgjene av. Regelverket blir stadig meir detaljert, utan at det nødvendigvis gjer det meir treffsikkert. Dei opplever at ansvaret er fragmentert, at ansvarspersonane er vanskeleg tilgjengelege, og at det blir utøvd skjønn som det ikkje alltid er like lett å fatte grunngjevinga for. Den som står for vedtaket, sit ofte langt unna. Mange opplever at den erfaringsbaserte kunnskapen dei har, blir sett til side og nedvurdert av dei som er delegert mynde til å forvalte lov- og regelverk. Dette trur eg ikkje er spesielt for miljøfeltet, men også på ei rekkje andre politiske felt. Når eg tek opp dette temaet, er det fordi vi i Senterpartiet meiner vi har eit felles ansvar i denne sal for å sikre at avstandane mellom dei styrande og dei som må halde seg til avgjerdene, ikkje blir for stor – at ikkje lov- og regelverk blir utforma på ein slik måte at det skapar forakt, og at forvaltinga er oversiktleg og føreseieleg. Den raud-grøne regjeringa har innanfor miljøområdet gjort fleire endringar som har bidrege til å flytte avgjerdene nærare folk, og som i større grad tek høgd for at landet er ulikt. Lokale folkevalde peikar fleire stader no på dei moglegheitene som er komne som følgje av den differensierte strandsoneforvaltinga. Landet er mangfaldig, og løysingane må vere det òg. Vi byrjar no å sjå resultat av den differensierte strandsoneforvaltinga i form av betre planar, betre prosessar, mindre barrierar og byråkrati og tidsbruk for dei som vil gjere fornuftige tiltak i strandsona,

No er det viktig at rovdyrforliket blir følgt opp, og at det svarar til dei forventingane folk rundt om i landet har. Endringane som eg har nemnt, tener regjering og storting til ære. Det er ikkje slik at nærleik til avgjerdsprosessar, medverknad og forenkling fører til ei dårlegare forvalting – tvert om. Det skapar legitimitet, engasjement og gode løysingar rundt om i landet vårt. Eg blir meir og meir trygg på at vettet er jamt fordelt ut over landet, og at evnene til å finne gode løysingar på lokale utfordringar ofte ligg lokalt. Vi må gå vidare langs desse vegane. Regjeringa må ha fokus også i vidareføringa på korleis ein ytterlegare kan sikre lokaldemokratisk medverknad og styring i arealforvaltinga, og korleis ein kan forenkle og desentralisere den statlege forvaltinga. I trontalen ble det opplyst at Norge skal være et foregangsland innenfor global klimapolitikk. Det er bra. Høyre har lenge etterlyst regjeringens engasjement for klimapolitikken nasjonalt. Men dessverre opplever vi at regjeringens ord og handling ikke alltid stemmer så godt overens. Regjeringens varslede stortingsmelding om nasjonal klimapolitikk der de store ordene skal følges opp med konkrete tiltak, er igjen blitt utsatt. Vi kan nå ha forventninger om at regjeringen først fremmer denne i løpet av våren 2012.

lønnsomme tiltak til tiltak med kostnader til flere tusen kroner per tonn redusert CO2. Vi i Høyre er utålmodige. Vi har, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, foreslått at vi, siden regjeringens klimamelding er så forsinket, i alle fall kan begynne å iverksette de tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Heldigvis er det slik at vi kan nå om lag halvparten av utslippsmålet i klimaforliket gjennom å iverksette tiltak som enten er samfunnsøkonomisk lønnsomme, eller som har en kostnad som ligger under forventet kvotepris i EUs klimakvotesystem. Dette er tiltak vi uansett må gjennomføre dersom vi skal nå utslippsmålet fra klimaforliket. Til og med dette har regjeringspartiene stemt ned her i Stortinget. Hvordan skal vi få støtte i befolkningen til bekjempelse av klimaproblematikken – for vi vet at de nasjonale tiltakene vil komme til å koste – når en flertallsregjering som hver eneste dag kunne lagt frem en klimaplan og tiltakspakke, til og med utsetter å legge frem tiltak som ville vært samfunnsøkonomisk lønnsomme? Høyre oppfordrer regjeringen til å være mer aktiv og resultatorientert i sin klimapolitikk fremover. Klimaspørsmålet er ikke bare en utfordring, det gir også muligheter. Høyre har foreslått å etablere et stort miljøteknologifond for å bidra til å finne løsninger, utvikle kunnskap og teknologi og gi arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Norge. Til representanten Inga Marte Thorkildsen, som i replikk til representanten Bent Høie hevdet at Høyre har stemt imot denne regjeringens forslag om CO2-rensing: Jeg vil be Thorkildsen om å dokumentere dette, for det er ikke riktig. Høyre har i løpet av denne regjeringens tid stemt for regjeringens forslag om bevilgninger til CO2-håndtering. Klimautfordringene må Det aller meste av verdens klimagassutslipp henger sammen med produksjon og bruk av energi. Norge som en betydelig energileverandør vil derfor ha et ekstra ansvar for å arbeide med disse spørsmålene samlet. Statsministeren var i sitt innlegg innom internasjonal fattigdomsbekjempelse. Dersom vi skal lykkes i fattigdomsbekjempelsen, må vi også lykkes både i energi- og klimapolitikken. Om lag 1,4 milliarder mennesker, mer enn 20 pst. av verdens befolkning, har fortsatt ikke tilgang til elektrisitet. 2,7 milliarder mennesker, om lag 40 pst. av verdens befolkning, er avhengig av tradisjonell forbrenning av ved og annen biomasse for matlaging. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at 1,6 millioner mennesker dør hvert år som følge av lunge- og pustebesvær på grunn av dårlig inneklima forårsaket av innendørs matlaging over åpen ild. Antallet for tidlige dødsfall som følge av bruk av tradisjonell biomasse i husholdningene er høyere enn dødsfall av både malaria, tuberkulose og hiv/aids. FNs milleniummål om å fjerne ekstrem fattigdom og sult innen 2015 kan ikke bli nådd dersom man ikke gjør merkbar fremgang når det gjelder tilgang på energi. Energirealitetene er slik at vi må erkjenne at fossile energikilder vil utgjøre en vesentlig andel av energikildene fremover, selv om det rettes sterkt fokus mot å stimulere frem fornybare alternativer – rett og slett fordi energibehovet fremover er så stort. Tross store satsinger på fornybar energi vil verden være avhengig av fossil energi i mange tiår fremover. Olje og gass dekker i dag mer enn halvparten av verdens energibehov. I dette bildet er det viktig at Norge, i hele verden, opprettholder og forsterker sin produksjon på norsk sokkel. Samhandlingsreformen kan betegnes som en omveltning av helsetilbudet i Norge. Mer ansvar og flere oppgaver flyttes fra de regionale helseforetakene til kommunene. Mer forebygging, bedre habilitering og rehabilitering vil være avgjørende for om reformen skal lykkes. For å løse de nye oppgavene i Samhandlingsreformen må kommunene bygge opp både fasiliteter og kompetanse. Den nødvendige kompetansen finnes ikke der i dag. Allerede i dag må mange kommuner la økonomiske hensyn veie tyngre enn kvalitet og faglig standard på tjenestene av presset i kommuneøkonomien. I Politisk kvarter i dag hørte vi dessuten at kommunene er redd for å få mindre penger enn forventet neste år. Dette er bekymringsfullt. Både statsministeren og helseministeren har den senere tid gitt uttrykk for at Samhandlingsreformen skal innfases gradvis. Det er nok en sannhet med modifikasjoner. Både medfinansiering fra kommunene og ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter settes i gang fra 2012. Kommunenes nye øyeblikkelig hjelp-funksjon skal imidlertid innfases frem mot 2016. Forpliktende avtaler mellom helseforetak og kommuner skal også gjennomføres fra 2012 – dette til tross for at deler av oppgavedelingen ikke er klarlagt ennå, f.eks. innenfor rehabilitering. Det er betimelig å spørre om to ting: Hvor mange kommuner er egentlig helt klare når reformen trer i kraft om tre måneder? Og: Hva skjer med de kommunene som henger etter? De finnes faktisk. Det er viktig nok en gang å påpeke at dette er en reform som innebærer endringer i alle kommuner i hele landet. En slik reform må implementeres i et tempo som passer. Selv om en del kommuner er godt i gang, er det andre som føler at reformen nærmest blir dratt ned over hodene på dem. Det tjener verken

Livskvalitet, selvstendighet og mestring av hverdagen er målet. I Sverige delfinansierer staten kostnadene ved brukerstyrt personlig assistanse på en slik måte at kommunene faktisk har interesse av at flest mulig med assistansebehov søker denne ordningen. Det ville trolig vært en god løsning også i Norge. Jeg er bekymret for at vi får en meget begrenset og avgrenset ordning. Folkeparti vil også ha fortgang i etableringen av dagtilbud for hjemmeboende demente. Kun 9 pst. har et slikt tilbud i dag. Dagtilbud gir mening i hverdagen og avlaster pårørende, og kan også utsette behovet for institusjonsplass. Kristelig Folkeparti har flere ganger foreslått å etablere stimuleringstilskudd til opprettelse av slike dagtilbud. Nå har regjeringen signalisert at dette vil komme i statsbudsjettet for 2012. Det har vi store forventninger til. NOU 2011:11, Innovasjon i omsorg, legges det frem et forslag som de kaller Den andre samhandlingsreformen. Der den første reformen har hovedfokus på samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, har Den andre samhandlingsreformen fokus på å mobilisere ressurser, og setter samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten.

Jeg har derfor til slutt lyst til å benytte anledningen til å utfordre regjeringen på tre ting: sikre at hensyn til sosial kapital og frivillighet blir samfunnspolitiske mål på linje med verdiskaping og bærekraftighet forenkle og avbyråkratisere frivillig og ideell sektor bidra til at det opprettes flere frivillighetssentraler og at det fokuseres mer på frivillig arbeid

Sosiale forskjeller vil forsterkes og konfliktnivået økes i tiden framover. Vi har lav ledighet og god sysselsetting. Over 250 000 nye arbeidsplasser er vokst fram de siste årene, de langt fleste i privat sektor. Dette er et godt eksempel på skaperkraften og den norske viljen. Selv om Norge kan oppleves som en trygg havn, rammes også våre bedrifter av lavere etterspørsel og Det blir derfor spennende å følge finansdebatten i høst. Så vidt jeg kan se, er det ingen andre flertall enn det rød-grønne flertallet som per nå kan føre en finanspolitikk som bidrar til en stabil økonomisk utvikling, og som vektlegger sysselsetting og lav ledighet. Norsk næringsliv kan være trygg på at dagens politiske flertall ikke vil gjennomføre politiske vedtak som setter i gang en negativ rente- og kroneutvikling, og slik sett setter sysselsettingen i fare. Høyre har i debatten trukket fram at Norge har gått noe tilbake på rangeringen av konkurransekraften og bruker fjerning av formuesskatten som et mantra for økt konkurransekraft. Ja, det er riktig at det finnes barometre som viser dette. Men det er grunn til å stille spørsmålet: Hvorfor skjer det? Hovedårsaken er høy lønnsvekst og at veksten ikke i tilstrekkelig grad kompenseres med økt produktivitet, og således svekker konkurransekraften. Vi er derfor opptatt av moderate lønnsoppgjør og lønnsoppgjør som tar konkurranseutsatt sektor på alvor. Men vi vil jo ikke motsette oss den lønnsveksten som skjer mellom ansvarlige sentrale parter i et lønnsoppgjør. Nei, det forsvarer vi – i motsetning til Høyre. Et annet forhold som slår inn, er at Norge har høye skatter og mindre fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Ja, vi har høye skatter, og vi har mindre fleksibilitet i arbeidslivet, men det er et resultat av en villet politikk. At vi har høye skatter og god velferd i et velregulert arbeidsliv som tar menneskelige hensyn, er god sosialdemokratisk politikk. Det er ikke noe nytt at Høyre vil i en annen retning enn Arbeiderpartiet. Men det som er nytt, er at Høyre unngår å snakke om de virkelig store konsekvensene av sin egen politikk. Når Høyre er bekymret for konkurransekraften til næringslivet og vil fjerne formuesskatten, da er jeg mer bekymret over Høyre som vil samarbeide med et parti som tilbyr skatte- og avgiftsletter som ligger nær 100 mrd. kr, og som omtaler handlingsregelen som et lite egnet finansielt styringsverktøy, og mener at den representerer en kollektiv politisk ansvarsfraskrivelse. I en slik situasjon vil formuesskatten framstå som en svak bris for norsk næringsliv, i motsetning til den uavklarte økonomiske tornadoen som Høyre tilsynelatende vil innsette som medansvarlig for norsk økonomisk politikk i årene framover. Høyre unngår også i debatten å si at de har løftet inn lokale avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som et løft for norsk næringsliv. Det betyr at Høyre vil at hvor likevekten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er svekket i disfavør av vanlige lønnsmottakere. De unngår å si at arbeidstidsordninger bør avtales lokalt i et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. De unngår å si at man for å forbedre rangeringen for konkurransekraft må antall midlertidig ansatte økes vesentlig for å styrke arbeidslivets fleksibilitet. De unngår å si at de vil uthule skattesystemet og redusere legitimiteten om at alle skal bidra i finansieringen av velferdssamfunnet. De unngår å si at Høyre-politikk faktisk river i stykker noen av de viktigste brikkene i den norske modellen, og noe jeg egentlig kan forstå, er akkurat det. For da jeg hørte Høyres parlamentariske leder i dag, kan jeg i beste fall si i den norske modellen, og noe jeg egentlig kan forstå, er akkurat det. For da jeg hørte Høyres parlamentariske leder i dag, kan jeg i beste fall si at hun ikke kan ha skjønt eller forstått begrepet og systemet i «den norske modellen». De unngår å si at deres politikk tilsier at rangeringens mål er det styrende og overskygger behovet for å lage et godt samfunn for mennesker. Høyre-samfunnets ideologi er til syvende og sist et samfunn der det er den sterkestes rett som er fordi det slår fast et sterkt fellesskap og trygghet for enkeltmennesket, der arbeidslivet er regulert i forståelsen av at arbeidstakere er mennesker. Dette samfunnet, dette landet har klart seg godt gjennom finanskrisen. Vi kan vise muskler i en situasjon hvor statsgjeldsproblematikken også vil ramme oss. Jeg tror på ingen måte det er grunnlag for å skifte kurs eller mannskap – tvert om. Det ville i så fall være å seile sin skute på grunn.

Regjeringa følgjer opp ein ambisiøs transportplan punkt for punkt: vi kortar ned reisetida på vegane våre fleire tog er i rute talet på trafikkdrepne går ned vi byggjer fleire gang- og sykkelvegar vi reduserer utsleppa i transportsektoren vi lagar år for år eit meir universelt utforma transportsystem Regjeringa har hjarta for heile landet. Folk skal ha fridom til å velja kvar dei vil bu. Ressursar skal utnyttast. Arbeidsplassar skal sikrast. Vi er i gang med tidenes opprusting og utbygging av veg og jernbane. Vårt mål er eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvenleg transportsystem der folk bur. Det var rett – og det var nødvendig – å prioritera eit veg- og banenett som over lang tid hadde vore forsømt. Regjeringa snudde trenden i 2005. Løyvingane er auka. Vi brukar no nær 11 mrd. 2011-kroner per år meir enn før regjeringa overtok. Noreg løyver no mest pengar til veg av alle landa i Norden, uavhengig av storleiken på vegnettet. Her er framleis mykje ugjort. Det er likevel god grunn til å retta ryggen. Vi følgjer opp ein svært ambisiøs nasjonal transportplan. Vi gjer det vi har lovt. Vi er den fyrste regjeringa som gjer akkurat det i forhold til Nasjonal transportplan. Eg har fått eit nytt forhold til skilt som fortel om vegarbeid. Før såg eg på desse skilta som varsel om plunder og heft.

og tryggare kvardag. Vegen er og vil for mange, særleg i distrikta, vera den viktigaste transportåra. Regjeringa har snart opna 60 mil med ny, moderne riksveg. Det tilsvarar strekninga Svinesund–Trondheim. Det siste året har vi sett i gang 16 større vegprosjekt. Fleire nye vil få oppstart i 2012.

600 planovergangar er sikra. 50 nye togsett kjem. Oslo-prosjektet blir ferdigstilt neste år. 2 500 små og store tiltak vart utførte i sommar. Parkeringsanlegg, rullestolramper og skilting kjem på plass stadig fleire

Vi må ta endå betre vare på kvarandre. 133 personar er drepne i trafikken dei ni fyrste månadene i år. Det er 133 for mange. Det er likevel 34 færre enn i same tidsrom i fjor. 491 vart hardt skadde dei ni fyrste månadene i år. Det er 70 færre enn tilsvarande tal i fjor. Sverige vart tidlegare i år utnemnd til «verdsmeister», med lågaste tal drepne per innbyggjar. Noreg tangerer no Sverige. Denne regjeringa har bygd 36 pst. av alle firefeltsvegar og fått på plass 51 pst. av alt midtrekkverk på to- og trefeltsvegar på riksvegnettet. Det er likevel ikkje slik høgresida hevdar, at vi kan byggja oss til nullvisjonen. Årsakene er samansette, difor må òg tiltaka vera det.

Men jeg må si at jeg derfor ble litt skuffet i går, da man la fram trontalen og jeg så hva regjeringen har tenkt å legge opp til. Det var to setninger: at man skal bygge landet, og at man skal følge opp Nasjonal transportplan. Når vi vet at det vil ta et sted mellom 50 og 70 år med de bevilgningene som regjeringen nå har lagt opp til, før man har et moderne, effektivt og skikkelig veinett, mener statsråden at det er godt nok med et tempo statsråden at det er godt nok med et tempo på et sted mellom 50 og 70 år før man har et skikkelig, moderne veinett i hele Norge? Det er ikkje omfanget av setningar som er hovudpoenget i trontalen. Det er tvert imot slik at trontalen er full av tette setningar med veldig

i vårt naboland Sverige. Et skremmende eksempel er E16 fra Trengereid ved Bergen til Voss, en vei som var ny for 20 år siden, og som nå er blitt en livsfarlig vei. Statsråden har lovet midtdeler etter 2018. Kan statsråden love fortgang i sikring av utrygge veier ved hjelp av fysisk midtdeler? Det er rett, som Sortevik her understrekar, midtdelarar er viktige på nokre vegar. På andre vegar er midttiltak viktige. Samtidig er det slik at årsakene til trafikkulykker er samansette. Då må òg løysingane vera det. Eg var inne på nokre av løysingane i mitt innlegg, og eg kan seia i tillegg at det òg er fleire ulykkesbelasta strekningar som skal få strekningsvis fartskontroll. Det er tiltak som Framstegspartiet ikkje liker, men det er tiltak som har effekt. Så til E16: Der er det altså sett ned ei gruppe som no går gjennom tiltak på kort sikt. Dei vil bli effektuerte så snart dei er klare, og arbeidsgruppa legg fram si innstilling i løpet av hausten. så snart dei er klare, og arbeidsgruppa legg fram si innstilling i løpet av hausten. Dette er ein veg som må utvidast for å få på plass midtdelarar. Difor tek det noko meir tid. Eg kan verken bekrefta eller avkrefta at her kjem det midtdelarar på plass før 2018. Høyre er

Det er regnet med at konkurranseutsettingen fra og med 2007 gir en årlig gevinst på 580 mill. kr. Hun sa videre: Det er regnet med at effektiviseringsgevinsten på forvaltningssiden vil utgjøre 270 mill. kr i tillegg. De samlede effektiviseringsgevinstene kommer således opp i 850 mill. kr – som altså går direkte til bygging av ny vei. Så sa statsministeren tidligere i dag at denne regjeringen er en pådriver for fornying og omstilling. Jeg lurte på om samferdselsministeren kunne fortelle meg hvor innenfor hennes sektor vi ser det store omstillingsarbeidet. Og da trenger jeg ikke skrytelisten igjen. Det viktigaste som skjer på samferdselssektoren for tida, er jo – iverksetjing av eit betre banenett, alt frå vedlikehald til nye banar, og det same på veg. Det fyrste vi måtte gjera, var å stoppa forfallet. Det er gjort. Vi har styrkt vedlikehaldet, og vi har ei rekkje store nye prosjekt – nokre som blir ferdigstilte i 2012, nokre som blir sette i gang, og

Me veit at det har vore eit tema som ministeren har vore oppteken av. Likevel sa Blindeforbundet for eit år sidan at dei var frykteleg skuffa. Me veit at dette er med på å prege kvardagen. Dei seier at 41 pst. kjem sjeldan ut av heimen, at 42 pst. ikkje får besøkt vener og familie, og at 51 pst. seier at dei ikkje kan delta i politisk arbeid. 70 pst. seier at dei ikkje får delteke på møte og går for sjeldan til lege og tannlege. Er det slik at me no kan sjå litt blidare i møte ei forbetring av TT-ordninga? Dette har vore eit tema statsråden har vore oppteken av, men me har ikkje sett handling. Vil me no få sjå handling på dette området? Det å leggja til rette for eit universelt utforma samfunn er eit av regjeringa sine hovudformål, og det på fleire felt. Det er difor vi har ei ordning der vi stadig legg til rette for – skal vi seia – meir saumlause reiser frå den eine reisemåten til den andre for at fleire skal koma fram. Det er difor vi har hatt forsøksordning med såkalla kollektiv i distriktsmidlar. Kan dei brukast betre i TT-ordninga? Det har vi no evaluert, og slik blir det. Den ordninga fortset. Så er det fleire fylke som har vore med på eit anna forsøk. Der ser vi no at fleire grupper får eit betre tilbod,

men det er ikkje slik at me er usårbare. Nettopp på grunn av krisa i Europa, der det i mange land er ei stor statsgjeldkrise og stor arbeidsløyse i tillegg til liten vekst – dette er våre fremste handelspartnarar – så seier det seg sjølv at me må trø varsamt. Me må driva ein politikk som sørgjer for at renta og kronekursen held seg låg, slik at me kan konkurransekrafta vår, og slik at våre eksportbedrifter kan selja varer og tenester til Europa og resten av verda. Ansvarleg budsjettpolitikk der hovudmålet er å sikra arbeidsplassane og konkurranseutsett næringsliv er heilt avgjerande for at me skal lukkast både til neste år, og med tanke på komande generasjonar. Mange av oss minnest 2002–2003, då høge lønstilskot her heime gav aukande renteforskjellar og ei styrking av krona. Dette førte til 25 000 færre arbeidsplassar i industrien på to år. Sånt bør ikkje skje igjen. Difor må me halda orden i eige hus. På grunn av at me har halde igjen i gode tider, kunne me under finanskrisa bruka meir for å motverka denne. Hausten 2008 kom finanskrisa. Da budsjettet vart lagt fram, sa høgrepartia at me gjorde for masse, at me brukte for masse pengar. Men så sa dei at me gjorde for lite, og at det kom for seint. Historia syner at tiltaka kom i rett tid, og at dei var riktig doserte. Arbeid til alle er det viktigaste målet for oss i Arbeidarpartiet. Det vil det alltid vera. Det viktigaste tiltaket mot fattigdom er at folk har arbeid. Det viktigaste for økonomisk vekst er at folk er i arbeid. Ute i Europa no

Målet vårt er 10 mrd. kr i forenkling for bedrifter frå 1. januar i år, og me er godt i gang. Før i år tok me vekk revisorplikta for små aksjeselskap. Dette var eit sterkt ønske frå næringslivet. No har regjeringa lagt fram ein proposisjon om å setja ned aksjekapitalen til 30 000 kr. No skulle det ikkje lenger vera nokon grunn til å starta NUF, eller såkalla norsk utanlandsregistert selskap. I tillegg har regjeringa sett ned eit eige gründerutval som skal sjå på hindringar for etablering av bedrifter. Me ønskjer velkommen fleire gründerar, og spesielt fleire kvinneleg gründerar. Dette utvalet skal gje innspel til korleis ein kan leggja betre til rette for å få fleire gründerar. Som tidlegare medlem av Kvinnenettverket i Follo ser eg at berre det som er gjort i år med revisorplikt og nedsetjing av aksjekapital, Eit anna hinder er sjølvsagt òg kapital. Difor er eg glad for at regjeringa har varsla nye midlar til Investinor. Det gjer at staten kan vera med og investera i dei gode idéane, som òg kan vera med og skapa framtidas arbeidsplassar.

Mange, deriblant Høgre, ønskjer seg meir til politi, meir til infrastruktur, meir til utdanning og meir til kommunane. Lista over ønske er veldig lang. Men dersom me skal ha eit ansvarleg budsjett, skal me framleis ha låg rente og ikkje for sterk kronekurs, slik at me sikrar eksportindustrien vår, må me prioritera. Da er ikkje

og de fleste av oss har spurt oss om hvordan dette kunne skje i det som vi oppfatter å være verdens tryggeste land. Siden har mange spørsmål meldt seg løpende. Det viser bl.a. at vi er nødt til å tenke sikkerhet på en annen måte, og vi er nødt til å ta sikkerhet på mer alvor enn det vi antakeligvis har gjort så langt. Jeg ønsker å presisere at de som har deltatt fra politiet, fra sivil beredskap og fra frivillige organisasjoner i forbindelse med disse hendelsene, gjorde da og i etterkant en fantastisk innsats. Men spørsmålet må være: Fungerer våre systemer godt nok? Stortinget har ennå ikke fått noen egen redegjørelse om hendelsene den 22. juli, og om hvordan det offentlige beredskapsapparatet fungerte ved en slik hendelse. Jeg skulle ønske at regjeringen hadde tilbudt seg å komme til Stortinget og holde en slik redegjørelse. redegjørelse. Dette har også Fremskrittspartiets stortingsgruppe bedt om i et eget brev til Stortingets president. Hvis vi hadde fått en slik redegjørelse, kunne vi hatt en bred og god debatt her i Stortinget om hvorvidt vår beredskap og våre systemer fungerer slik som vi bør stille krav om at det Mye har åpenbart ikke fungert, og det er åpenbare mangler i beredskapsapparatet. Vi har sett både gjennom Aftenposten i dag og gjennom debatten så langt i dag at statsministeren og justisministeren har påtatt seg ansvaret. Men spørsmålet er om det er riktig at de samme personene som står til ansvar for beredskapsapparatet, skal vurdere sin egen rolle og innsats. Spørsmålet er jo om regjeringen har hatt nok fokus på beredskap i sin daglige utøvelse av politikken. ha så store hull i beredskapen, og hva er gjort for å sikre at dette ikke kan skje igjen? Dette er spørsmål som vi stiller oss. Vi har også sett at regjeringen skyver 22. juli-kommisjonen foran seg. Det er for lenge å vente ett år til vi får svarene på bordet. Vi har ingen tid å vente, tiltak må settes inn nå. Lever vi fortsatt med en dårlig beredskap? Dette er spørsmål som vi må få klare svar på. Stortinget er nødt til relativt raskt å sette klare mål og kvalitetskrav, og Fremskrittspartiet har som kjent fremmet en rekke forslag på disse områdene gjennom de siste årene i justiskomiteen. Vi må stille krav til responstid. Hva forventer vi når det gjelder responstid, helikopterberedskap? Trenger vi flere politihelikoptre, og trenger vi døgnkontinuerlig beredskap i alle landsdeler? Hvordan er Beredskapstroppens utstyrssituasjon? Trenger vi en stående politistyrke som bare er i beredskap? Vi vet jo at Beredskapstroppens ansatte har mange andre oppgaver også. Er samordningen mellom etater, og spesielt mellom politi og forsvar, god nok? Og kan et lite land ta seg råd til ikke å ha god nok samordning mellom to slike etater? Bør Forsvarets spesialkommando sendes til denne typen oppdrag, som den er meget godt trent for? Og nok en gang vil jeg ta opp nødvendigheten av å ha et eget investeringsbudsjett for politiet, noe flere og flere etterspør. Og, ikke minst: Alle uteksaminerte politistudenter må få jobb i politiet umiddelbart. Vi må få slutt på det vi har sett de siste årene, at disse går rett inn i arbeidsledighetskøen. Europas økonomier skjelver, og verdensøkonomien er

svekkes mye – hvis de mest alvorlige scenarioer inntreffer. Da vil vår fremtidige konkurransekraft være avgjørende. Høyre vil bidra til å holde orden i økonomien og ha ansvarlige budsjetter som virker riktige i forhold til rente og valuta. Men orden i økonomien er ikke bare å holde seg til handlingsregelen. Det er også avgjørende hva en bruker penger til, og den ekstra bruken av oljepenger har siden 2005 ikke vært innrettet slik hensikten var, fordelt på forskning og utdanning, samferdsel og Orden i økonomien er også å sørge for at norske bedrifter kan utvikle seg og vinne i konkurransen på de internasjonale markeder, og se hvordan vi kan forbedre vår konkurransekraft, innovasjon og teknologiutvikling. Trygghet for arbeidsplasser, bedrifter og et fortsatt høyt velferdsnivå skapes gjennom økt satsing på kunnskap og økt konkurransekraft. Økt verdiskaping er avgjørende for vår fremtidige velferd. Da må vi skape mer, ikke skatte mer. Forholdene må legges til rette i hele næringslivet for en forbedret konkurransekraft. Vi har hatt den omvendte utviklingen i de senere år når det gjelder konkurransekraften. Kostnadsnivået sammenliknet med våre handelspartnere er økt betydelig. Økt kostnadsnivå burde tilsi en enda sterkere satsing på innovasjon og andre tiltak, men vi sakker akterut på alle internasjonale målinger. Den økonomiske krisen vi nå ser baugen av, gir et land med ordnet en stor mulighet til å gå styrket ut med en forbedret konkurransekraft. Der har regjeringen mye ugjort. Det mangler en samlet strategi for å øke konkurransekraften. Det er nok å nevne stikkord som vekstfremmende bruk av oljepenger, fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital, fjerning av arveavgift, redusert skatt på arbeid, bedre mer fleksibel arbeidsmiljølov, forenklet plan- og bygningslov, økte avskrivninger for industrien og ikke bare for landbruket, økte bevilgninger til samferdsel, forbedringer i SkatteFUNN og målrettet bruk av ressursene i Innovasjon Norge – en meny stort sett hele opposisjonen står samlet om. Representanten Martin Kolberg ba Høyre på formiddagsmøtet dokumentere politisk og intellektuelt at konkurransekraften er blitt svekket. Jeg vet ikke om det er noen dokumentasjon på min intellektuelle kapasitet at jeg er i stand til å lese regjeringens budsjettdokumenter. For 2011 skrives at lønnskostnadene i industrien i 2009 er 47 pst. høyere enn i våre konkurrentland. I tillegg viser flere årlige internasjonale målinger at vi scorer bare middelmådig og stadig faller i innovasjonsevne og i konkurranseevne. Det mener vi er noe av dokumentasjonen på at vårt lands muligheter ikke utnyttes godt nok. Representanten Kolberg kan jo også spørre Roar Flåthen og Trond Giske om deres intellektuelle dokumentasjon for å mene at skatten på formue, og særlig på arbeidende kapital, er svært uheldig for arbeidsplasser og investeringer. Noe av det viktigste LO-sjefen sier om formuesskatt i Dagens Næringsliv i dag, er at han har kommet på dette ved sine mange bedriftsbesøk. Ja, bedriftsbesøk er å anbefale. Snakk med bedrifter, prøv å drive en eller forsøk å eie en, så vil en komme til den samme

Med norsk eierskap ville de ha hatt en kvart milliard kroner mindre i året til å investere i den viktige bedriften i Kristiansand. Det gir en illustrasjon på hvordan man kan skape økt konkurransekraft. Jeg mener det skal relativt lite intellektuell dokumentasjon – eller for den saks skyld, kapasitet – til for å se denne koblingen mellom reduserte skatter på driftsmidler og det å legge grunnlag for et fortsatt sterkt velferdssamfunn. Jeg synes og næringsminister Giske har greid den øvelsen godt. Jeg utfordrer representanten Kolberg også til å forsøke. Jeg utfordrer også lederen i næringskomiteen, Terje Aasland, som nettopp hadde ordet, til å forsøke den samme øvelsen. Det er ikke slik at vi ved å peke på økt konkurransekraft vil redusere det norske lønnsnivået – nei, vi etterspør kompenserende tiltak som jeg nettopp hurtigleste en lang, lang rekke av, og som hele opposisjonen står samlet om. Jeg tror at det aller farligste vi kan gjøre, er å opptre med den selvgodhet som jeg mener næringskomiteens leder nettopp opptrådte med i sitt innlegg, at alt som er vedtatt og bestemt av regjeringen, er hugget i stein, og selv om norsk næringsliv mener noe annet og man kan høre det ved nær sagt hver eneste bedrift i hele landet, så endrer ikke det på den oppfatningen. Jeg har en blogg på Internett. Det er blitt veldig moderne, og

min, var om morgenen den 22. juli. Da jeg skrev et innlegg og la det ut på Internett. Det handlet om gjeldskrisen i Europa. Det gjorde jeg før jeg reiste til Utøya. Jeg var på Utøya sammen med Gro og var langt unna gjerningsmannen. Dette har vært en veldig dramatisk sommer. Den har vært dramatisk for landet, for ungdommen og for de pårørende som har Men den har også vært kombinert med en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Jeg tror ikke det norske folk eller – hva skal jeg si – denne forsamlingen har tatt inn over seg hvor dramatisk det kan bli for landet hvis det virkelig går galt. Bare i denne uken har vi hatt nye eksempler på børser som har rast – i Norge, i Europa og i USA. At børser raser, er ikke noe dramatisk i

moderate politikere som tør å si nei til noe for å si ja til noe annet, viser moderasjon og tar situasjonen på alvor. Jeg er veldig enig med representanten Flåtten som nettopp hadde ordet, i at én ting er å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er jo krevende nok i seg selv i mange sammenhenger. Det er jo ikke noe rop og mas eller – hva skal vi si – mange lobbyister som kommer til Stortinget og holder flammende innlegg om hvorfor man må holde igjen på offentlige budsjetter. Det er jo stikk motsatt. Og når det gjelder skattekutt, går det nesten ikke en dag uten at jeg har en telefon, en e-post, en velger eller en organisasjon som vil ha lavere inntekter til fellesskapet. Det blir også framført av svært mange partier her i Stortinget, kombinert med velmenende forslag på utgiftssiden. Problemet er at det ikke går i hop. Det ville bli full lekk i begge ender hvis man skulle si ja til alt. Da klarer man ikke føre en økonomisk ansvarlig politikk. Men så er det likevel slik at selv om man gjør det, har man mange, mange milliarder kroner å bruke på det vi synes er det viktigste. Det er det denne debatten utover kvelden, resten av denne høsten og fram mot 2013 må handle om, etter min mening. Skal vi holde oss til handlingsregelen og ansvarlig bruk av oljepenger, eller skal vi ta sjansen på det noen antyder kan være mulig, med de dramatiske konsekvensene det kan ha? Jeg vet ikke. Det er som i gambling: Det er mulig å vinne, det er mulig å ta sjansen, og det er mulig å ta risiko, for da kan gevinsten bli veldig stor. Men det kan også gå fryktelig galt. Skal skattene kuttes med mange titalls milliarder, eller skal vi si at det velferdsnivået vi har i dag, også krever finansiering og forsvar av skattenivået? Det vil i hvert fall jeg. Og skal vi f.eks. føre en politikk som tar klimaproblemene på alvor, eller skal vi la det være og tro at menneskeskapt påvirkning ikke har noe å si for en del av de klimaproblemene vi står overfor? Stoltenberg-regjeringen har svart på disse utfordringene og stått opp for helhet og enkeltheter i seks år. Jeg merker meg igjen at det er litt surmuling – hvis det er parlamentarisk og lov å si her fra talerstolen – eller litt antydning til grining på nesa når vi som hver eneste dag blir målt på den politikken, helheten, ansvarligheten, pirker borti at det kanskje er på tide at vi ikke blir målt opp mot himmelriket, men mot et reelt alternativ. Da må bl.a. disse grunnleggende spørsmålene bli besvart. Jeg håper at denne debatten i kveld og utover høsten kan bidra til det. Jeg vil bare avslutningsvis si at jeg synes det er forstemmende, etter den sommeren vi har hatt og de problemene vi står overfor, at opposisjonen bruker LO-lederens antydninger om svakheter ved formuesskatten som den eneste saliggjørende replikken overfor landets statsminister. Det er ikke mye man er enige om når man må omfavne andre som står langt fra opposisjonen i et så viktig første replikkordskifte etter en dramatisk sommer. Mens verda rundt oss er

dette gjer ein når det gjeld Ironman-prosjektet på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Samtidig seier ein også nei til å utnytte våre naturgitte gassressursar innanlands, som i tillegg kunne ha gitt mange hundre nye arbeidsplassar i ein landsdel som sårt treng slike. Senterpartiets slagord om at heile landet skal takast i bruk, gjeld altså ikkje i Finnmark. Dei såkalla komparative fortrinna som gjer landsdelar i stand til å lyfte svært lønnsame arbeidsplassar, blir altså fullstendig neglisjerte. Det er slett ikkje å føre ein aktiv næringspolitikk og satse der ein har særlege føresetnader for å skape verdiar og auke verdiskapinga i heile landet. Det er å snu ryggen til dei gode føresetnadene, det! Samtidig er Norsk Hydro i Qatar storprodusent av same råvare, aluminium, og energien er naturlegvis basert på Spørsmålet er då korleis Arbeidarpartiets sentralstyremedlem og LO-leiar Roar Flåthen, som representerer tusenvis av håpefulle industriarbeidarar, kan akseptere dette. Er det Sosialistisk Venstrepartis haldningar som vil få gjennomslag i den lenge annonserte og utsette klimameldinga, eller er det LO og Roar Flåthens? Gjentekne utsetjingar av klimameldinga fortel oss at her er regjeringa i ferd med å forskreve seg, for ein kan ikkje foreine desse to standpunkta frå to av den raud-grøne regjeringas premissleverandørar. I eit intervju med Adresseavisen 22. august i år bekreftar miljøvernminister Erik Solheim at det går føre seg ein sterk dragkamp. Det beklagelege ved dei gjentekne utsetjingane av klimameldinga er den uføreseielege situasjonen det skaper for både næringsliv og samfunn. Klimameldinga og konsekvensane av ho er framleis i det blå fordi regjeringa ikkje klarer å leggje ho fram på grunn av stor intern usemje. Den store interne usemja kjem òg fram ved at Ola Borten Moe får passet sitt påskrive av sine eigne partifellar, les vi i diverse media 1. september. Snorre Serigstad Valen frå SV slår fast at den raud-grøne regjeringas statsråd, Ola Borten Moe, ikkje snakkar på vegner av regjeringa når han erklærer kamp mot Spørsmålet blir då: Kva gjer ein statsråd når han uttaler seg, snakkar han på vegner av seg sjølv eller på vegner av ei regjering? Trass i alle desse problema som blir synleggjorde, har altså opposisjonen blitt oppfordra til samordning. Dette står ikkje til truande. Det er nok ein argumentasjon for å skjule store interne problem. Ein må også spørje seg korleis Roar Flåthen kan akseptere å sitje som gissel i eit regjeringsparti som og som no sørgjer for at hundrevis av arbeidarar blir permitterte i Møre og Romsdal. No har altså denne regjeringa sete med hendene i fanget i seks år. Opphavleg dato for når linja Ørskog–Fardal skulle vere ferdig, ligg altså bak oss. Innbyggjarar og næringsliv i Midt-Noreg har i denne perioden betalt milliardbeløp i meirkostnader, og dette har kosta både konkurransekraft og arbeidsplassar. Er det dette dei fagorganiserte har betalt kontingent for å oppleve? Av dei meir gledelege tinga nasjonen nyleg har opplevd, er eit nytt, gigantisk oljefunn som kan gi Noreg betydelege meirinntekter dei kommande åra. I den samanhengen ber Framstegspartiet regjeringa leggje fram ei oversikt over korleis desse midlane kan brukast til å betre norsk infrastruktur og raskare utbetre vedlikehaldsetterslepet i samfunnet. Dette er god miljøpolitikk, det er god verdiskapingspolitikk, og det vil også redusere talet på dødsfall i trafikken. Men det paradoksale er at delar av denne raud-grøne regjeringa heller hadde sett at ein stor del av petroleumssektoren hadde blitt nedstengd. Miljøminister Erik Solheim er redd for at demokratiet ikkje er i stand til å løyse klimakrisa. Kinas samfunnsmodell set visst standard for SVs klimaløysingar – tru

Først en refleksjon etter å ha sittet og hørt på mye av debatten: Det er en overraskende stor iver fra representanter for regjeringspartiene til å diskutere hvem som skal overta regjeringsmakten etter dem i 2013. I hvert eneste replikkordskifte med representanter for opposisjonspartiene har det vært hovedtema fra regjeringspartiene. Det vitner om en relativt defensiv regjering som ikke viser å ha tro på egne løsninger.

rammet. I denne situasjonen har det vært påfallende å høre representanter for regjeringspartiene – kanskje særlig representert ved Senterpartiets parlamentariske leder – som nærmest synes å godte seg over utviklingen i Europa og mene at det utelukkende skyldes EU eller euroen. Det er et perspektiv som tyder på manglende forståelse av krisa, av dens årsaker og dens løsninger. Ikke minst tør jeg minne om at 80 pst. av norsk eksport går til EU. Dersom etterspørselen i EU synker dramatisk, får det store konsekvenser for oss og vår framtidige velferd. For Høyre er det åpenbart at løsninga på Europas problemer må finnes nettopp gjennom koordinering og samarbeid. Da er altså EU en helt avgjørende faktor for å finne en løsning. Dagens krise er rett og slett for stor å håndtere for enkeltland alene. Samtidig gir dagens krise nye muligheter. Norge er i en nesten unik stilling til å få til en vellykket omstilling, men det vil også i Norge kreve klare prioriteringer. Vår handlefrihet økonomisk kan både brukes og misbrukes. Jeg noterte meg at Jens Stoltenberg sa i sitt innlegg i dag: «Kunnskap og utdanning er et prioritert område.» Likevel står det ikke ett ord om kunnskap i Det bør være påfallende. Det er det viktigste virkemidlet vi har for å sikre vår framtidige velferd. Det er det som skal skape trygghet. Det er det som skal skape vekst i vår framtid. Kunnskap og konkurransekraft vil gi oss den tryggheten vi trenger framover. I EU, derimot, er denne erkjennelsen veldig klar. Jeg har de siste ukene vært på møter med mange av mine kollegaer både i europeiske parlamenter og i Europaparlamentet. Der er det nå en stadig sterkere enighet om at veien videre går gjennom kompetanse, kunnskap, teknologi og innovasjon. Det er også en erkjennelse av at det kommer til å kreve klare prioriteringer. Europakommisjonen la nylig fram forslag til langtidsbudsjett, fra 2014 til 2020. 2020. Der er det noen stikkord som går igjen: Det handler om å investere i dag for vekst i morgen. Det handler om at man skal styrke programmer for utdanning og opplæring betydelig. Man skal styrke forskning og innovasjon like betydelig. Man går altså fra budsjetter på 50 milliarder euro til euro. Det EU-kommisjonens president, Barroso, så bra sier, er at det å investere i unge mennesker er en av de beste forretningsplanene som finnes. Det handler om å skape global handlekraft, og det handler om å hjelpe til med å skape jobbene og ideene for framtida. I dette bildet kunne Norge ha utnyttet sine muligheter så mye bedre. Vi kunne ha vært i fremste rekke med å bidra til å sikre vår verdiskaping, vår konkurransekraft og vår velstand. I stedet ser vi at det området Norge sakker akterut på, er på innovasjon, på forskning og på kunnskap. La meg si som Barroso: Det å investere i unge mennesker er den beste forretningsplanen som finnes. Siv Jensen og hennes partis politikk er

ikke først og fremst fordi hun vil behandle mennesker på flukt fra diktaturer i Iran og Etiopia som kriminelle inntil det motsatte er bevist, og dermed er villig til å frata dem grunnleggende menneskeverd, nemlig å bli behandlet som andre folk, ikke først og fremst fordi hun spiller på mørkebrune strenger og påstår at Norge snikislamiseres. Alt dette er ille og fortjener å bli diskutert grundig. Vi er nemlig mange her på Stortinget som husker at det var med rasistpenger fra Sør-Afrika Anders Langes Partis første valgkamp ble støttet, som førte Carl I. Hagen på Stortinget – og resten er historie. Det som er ille, og som gjør Siv Jensen så farlig, er at hun fortsetter å avfeie spørsmålet om klimaendringene er menneskeskapte, med et lettvint «det debatteres». Og det er riktig, det: Om klimaendringene er menneskeskapte, debatteres, på samme måte som det diskuteres i USA om Gud har skapt hvert eneste vesen på jorden, eller om vi har utviklet oss som følge av evolusjonen. Jeg tror ikke det finnes noen forskningsmiljøer i verden som støtter kreasjonistenes teorier.

den revner og ryker og folk faller igjennom, og Siv Jensen velger å si at jo, jo, men det debatteres om isen er trygg, er jeg mer glad i unger enn det Siv Jensen er. Jeg mener kampen mot de farlige klimaendringene er min generasjons viktigste oppgave. Men folk er forvirret. For hvis alle sier at det er den viktigste oppgaven, hvorfor blir ikke politikere over hele verden enige om en internasjonal avtale som klarer å løse disse problemene? problemene? Grunnen er enkel og komplisert: Løsningen på klimaspørsmålene handler fordeling av retten til å forurense med CO2, fordi det er når det lages energi av olje, kull eller gass og skog, at CO2 dannes, og den energien er det som skaper vekst og utvikling i fattige land så vel som i Norge. Det er bare det at Norge er ett av de seks landene i verden som bruker mest energi per innbygger, og vi slipper ut omtrent tre ganger så mye CO2 som en gjennomsnittlig kineser og åtte ganger så mye som en gjennomsnittlig inder. Og vet du hva, president? Jeg kjenner ingen her i salen som tør å se en kineser eller inder inn i øynene og si: Du må stagge din velstandsutvikling og kutte utslippene for at vi Norge skal forurense mange, mange ganger så mye som deg og ha det mye, mye bedre enn deg. Og vet du hva, president? Jeg synes det er helt rimelig. Men er vi da villige til å kutte i Norge?

Norge. Vi kommer altså med en klimamelding i løpet av våren, og det har tatt lang tid. Men det er en overdrivelse å si at vi har fått drahjelp fra høyresiden til å foreslå konkrete innstramminger i utslippene av CO2. I den klimameldingen må det gjøres drastiske kutt i samferdsel og oljeutvinning, som er Norges klimaverstinger. Industrien har nemlig sakte, men sikkert omstilt seg, og det skal den fortsette med: ny teknologi for lavutslipps aluminiumsproduksjon, ny næringsutvikling på mange områder, som gir muligheter for å nærme oss det nullutslippssamfunnet som vi alle er enige om at vi må nærme oss. For miljøkrav og næringsutvikling går hånd i hånd. Og det vittige er at en av dem som viste meg det best, var fremskrittspartiordføreren på Austevoll, han viste meg noen eksempler. Han viste meg hvordan strengere krav til utslipp og rensing av skip i Europa har ført til utvikling av Austevoll-teknologi for hvordan man kan rense bunnen på skipene uten at malingen faller av og skaper miljøproblemer lokalt. viste hvordan HMS-krav førte til næringsutvikling på Austevoll, at man sugde til seg all malingen som kommer ved sandblåsing, og dermed skaper en ny næring som gir vekst på Austevoll. Norge er verdens heldigste land, for vi har evigvarende vannkraft og evigvarende vindressurser, og vi skal bruke muligheten som ligger i å løse klimaproblemene, til å Siv Jensen kan ødelegge mye for det norske flerfargede samfunn og for klimaet på kloden. Men jeg sier som Lars Vaular: Det er bare en ting hun ikke tåler, og det er hvitløk. Det er flere her i dag som har snakket om den internasjonale finans- og gjeldskrisen, og det er ikke uten grunn. Mange land i Europa sliter nå voldsomt – med folk som blir arbeidsledige, spesielt mange ungdommer, det kuttes massivt i den offentlige velferden, og mange klarer ikke å beholde hjemmene sine. På søndag bestemte den greske regjeringen at 30 000 ansatte i offentlig sektor har ett år på å finne seg en ny jobb, og at de i det året de har igjen, skal gå ned 40 pst. i lønn. Det er alvorlig, for det er vanlige folk denne krisen går ut over. Mange i Norge opplever den økonomiske uroen som noe som skjer et annet sted, og at den ikke berører oss her hjemme. Det gjør den. Det er derfor helt avgjørende hvordan vi som land håndterer situasjonen. Det er ikke tilfeldig at vi klarte oss gjennom krisen i 2008 og 2009. Det var en bevisst politikk fra regjeringen, med målrettede virkemidler, som sørget for det. Vi er et land med en åpen økonomi, hvor vi er avhengig av eksport, og vi er så avgjort ikke isolert fra det som skjer utenfor landets grenser. Derfor er det viktig at vi bruker de virkemidlene vi har, for å begrense de negative konsekvensene. Det betyr bl.a. at vi må begrense pengebruken, og det er aldri populært. Det har vi hørt mye om i dag. Men skal vi kunne klare å holde Vi har en industri som er utrolig sårbar hvis kronen stadig blir sterkere. For dem er oppslaget i tabloidene om at nå blir det billigere å feriere i utlandet, alt annet en glad-oppslag. At mange land opplever gjeldskrise og må kutte i den offentlige velferden, er i seg selv ille. Men de kraftige budsjettkuttene har også en annen internasjonal dimensjon som jeg mener det er viktig å si noen ord om, nemlig konsekvensene med tanke på bruk av penger på bistand til verdens fattigste. Når et land rammes hardt økonomisk, er det lett å kutte i bistand. Vi opplever nå en tørkekatastrofe på Afrikas Horn som er i ferd med å eskalere til massiv hungersnød, spesielt i Sør-Somalia. Internasjonal bistand er derfor helt nødvendig for å begrense det verste. Jeg er derfor glad for at regjeringen har bestemt seg for å øke nødhjelpen dit, og jeg mener vi fortsatt skal prioritere – innenfor et stramt budsjett – å ha et høyt nivå på vår totale bistandsinnsats. Det handler om solidaritet, og det handler om å ta ansvar. Krig og katastrofer fører til at mange mennesker blir tvunget til å flykte fra landet sitt. Noen få av dem kommer til Norge. Som et er det viktig at vi slår ring om asylinstituttet, og at vi fører en rettferdig flyktningpolitikk. Det er også viktig at vi fører en integreringspolitikk som sørger for at alle blir inkludert i samfunnet vårt. Den 22. juli ble grunnleggende verdier i landet vårt angrepet, og jeg merker meg at flere representanter i denne debatten har brukt mye tid på å ta opp beredskapen og situasjonen i politiet etter terrorangrepene. Det er selvfølgelig viktig, og den diskusjonen tror jeg alle her hilser velkommen. Men jeg merker meg også at det ikke er like mye fokus på de verdiene som ble angrepet den dagen, og særlig angrepet på at vi har et flerkulturelt samfunn. Jeg skulle ønske at også det var et større tema i en debatt som dette. Det flerkulturelle samfunnet i Norge er en realitet. Jeg har lest i blogger og leserinnlegg både i forkant og i etterkant av terroren at enkelte framstiller det som om det er noe vi kan velge å ha eller ikke. Min holdning til det er: Det er det ikke. Vi har den sammensetningen i befolkningen som vi har. Vi er et flerkulturelt samfunn. Jeg mener at vi i denne salen bør bruke tid på hvordan vi skal få til mer og bedre inkludering, og hvordan vi kan Og når det gjelder demokrati, må jeg tillate meg å komme med et hjertesukk: Jeg tror det er mange av oss som ble skuffet over valgdeltakelsen 12. september, og det er grunn til bekymring. Selv etter alt det fokuset vi har hatt i sommer rundt nettopp å bruke stemmeretten, opplevde vi at altfor mange valgte ikke å bruke den. Det er alvorlig, og det bør vi bruke tid på å tenke over. over. Alle partiene har et ansvar for å ta debatten om hvordan vi kan snu den trenden og endre den fram mot neste valg. Det er mykje som går godt i landet vårt. Utsiktene og moglegheitene framover er også gode, viss me forvaltar dei med klokskap. Sjølv om Noreg har klart seg godt gjennom finanskrise og økonomisk urolege tider rundt oss, er me likevel ikkje upåverka av det som skjer ute. Mange land slit med svak vekst og høg arbeidsløyse, medan budsjettunderskota er høge og statsgjelda samstundes er høg. Det viktigaste me kan gjera i ein slik situasjon, er å halda orden i eige hus. Krisehandteringa under førre finanskrise var mogleg fordi me hadde halde igjen pengebruken i gode tider. I eit internasjonalt perspektiv har Noreg klart seg godt. Aktiviteten har halde seg oppe, og arbeidsløysa hos oss no er lågare enn gjennomsnittet for dei siste 20 åra. Berre i dei fire har det kome 60 000 nye arbeidsplassar sidan den raud-grøne regjeringa starta sitt virke i 2005, og 78 pst. av desse har kome i privat sektor. Vestlandet og Agder-fylka utgjer våre desidert viktigaste eksportfylke. I ein valbrosjyre for Framstegspartiet i Hordaland står Terje Søviknes fram og manar til samling der det endelege målet skal vera at den raud-grøne regjeringa må få avløysing til fordel for ei regjering som har «fokus på verdiskaping og rettferdig fordeling». Vestlendingane vert vidare oppmoda til å visa musklar gjennom røystesetlane ved kommune- og fylkestingsvalet. Det har veljarane i vest gjort, og resultata er me no godt kjende med: Framstegspartiet har vel ikkje gjort noko dårlegare val i nyare tid, og Arbeidarpartiet står igjen som det partiet som har høgast oppslutning på Vestlandet. Vestlendingane veit, også når det kjem til politiske val, at viss Framstegspartiet sin politikk hadde vorte gjennomført, ville store delar av eksportindustrien i denne delen av landet vorte utradert. Dei enorme summane dei ønskjer å bruka frå pensjonsfondet, kombinert med å gje skattekutt til dei rikaste på nær 90 mrd. kr, ville gjeve ein overoppheta økonomi nærast over natta, med ein altfor sterk kronekurs og høg rente. Og då er det nettopp arbeidsplassane på Vestlandet som ryk først. I motsetning til det som representanten Grimstad frå Framstegspartiet påstod litt tidlegare i denne Arbeidarpartiet og regjeringa offensivt også innanfor olje- og gassnæringa. Arbeidarpartiet vil alltid lata omsynet til verdiskaping og arbeidsplassar gå føre skattekutt til dei som har mykje frå før. Næringsløftet i Vest er Arbeidarpartiet sitt offensive 12-punktsprogram for at veksten skal fortsetja med nye 40 000 arbeidsplassar på Vestlandet innan 2016. Det vil ikkje vera slik at regjeringa eller Arbeidarpartiet finn opp og opprettheld titusenvis av nye arbeidsplassar i vest. Det er det i hovudsak vestlendingane sjølve som må stå for, men rammevilkåra generelt og målretta aktiv næringspolitikk vil langt på veg leggja til rette for ønskt utvikling. Satsing på fornybar energi, olje og gass, leiande sjømatregion, felles reiselivsstrategi, maritime næringar, kompetanse og utdanning, forenkling av verkemiddelapparatet, aktivt statleg eigarskap, føreseielege rammevilkår og innovasjon – alt dette er berre stikkord og overskrifter på kva Næringsløftet i Vest dreiar seg om. Alle gode lag har ein spesielt god spiss med nr. 10 på drakta. Det har også Næringsløftet i Vest: ferjefri God infrastruktur er grunnleggjande viktig for næringslivet. Ein ferjefri E39 vil binda saman den viktigaste verdiskapings- og eksportregionen i landet og vil derfor ha stor verdi både for Vestlandet og for landet elles. Vår klare målsetjing er å få realisert ein ferjefri, oppgradert og trafikksikker transportkorridor frå Kristiansand, gjennom heile Vestlandet og til Trondheim. Vårt mål er at Rogfast startar opp så tidleg som mogleg i andre del av planperioden for Nasjonal transportplan. Deretter må prosjekta koma i rekkjefølgje etter kvart som dei er teknologisk gjennomførbare og finansierte. Og ingenting vil gle meg som hordalending meir enn om Hordfast vert det neste store ferjeavløysingsprosjektet på Kyststamvegen. Det vil innebera ferjefritt, døgnope samband mellom dei to største bysentra på Vestlandet. Vestlandet. Det ville vore bra for alle oss som bur imellom. Og eg trur at både stavangerfolk og bergensarar ville ha godt av å få det lettare å ha med folk å

Ja, ikke bare gikk det galt, men det kom virkelig til å bli svært alvorlig for landet. Vi har hørt Heikki Holmås holde en av sine valgkamptaler for å prøve å bli valgt som leder av Sosialistisk Venstreparti, der han bl.a. går en 30–40 år tilbake i tid, og går inn på hvordan enkelte partier var finansiert, eller antydning om det. Når det Når det kommer slike holdninger knyttet til finansiering, og fra en SV-representants ståsted, der så pass mange i det partiet, også i ledelsen, for kort tid siden nærmest måtte ta avstand fra sine marxistiske holdninger, tror jeg ikke akkurat det blir tatt så veldig alvorlig. Det jeg vil snakke om, dreier seg rett og slett om næringslivet. Jeg vil gå inn på en del av det som Det jeg vil snakke om, dreier seg rett og slett om næringslivet. Jeg vil gå inn på en del av det som har vært sagt om hvor fantastisk det går med næringslivet. Ja, det går veldig bra med mye av næringslivet i Norge, men det tror jeg ikke nødvendigvis vi politikere skal ta all ære for. Jeg tror faktisk mange av de arbeidsplassene som vi skryter av, ikke nødvendigvis har kommet ikke nødvendigvis har kommet fordi vi politikere har gjort en sånn fantastisk jobb, men fordi gründerånden er der ute i samfunnet. Representanten Rommetveit forteller om hvor rødt Norge har blitt. Men det har faktisk ikke blitt det, ikke Vestlandet heller. Jeg vil be om at representanten Rommetveit ikke stopper i Rogaland, men går litt lenger oppover Vestlandskysten er faktisk relativt blå, fordi skaperevnen ligger der og viljen til å skape noe, skape arbeidsplasser. Ja, det er faktisk det som gjør at vi har den velferden vi har i landet, at vi har noen gründere og noen små og mellomstore bedrifter som står på hver eneste dag for å sørge for at vi har penger til den velferden vi har i Norge, og som vi fortsatt skal vi har jo fått høre om den fantastiske næringspolitikken til regjeringen, og hvor samlet man står, og hvor viktig dette er. Ja, da er det jo svært spesielt, det vi har sett de siste dager knyttet til eventuell hjelp eller oppkjøp, alt ettersom, av selskapet REC. Vi har altså den ene representanten fra Sosialistisk Venstreparti som går ut i media og sier at her må staten kjøpe, vi har en leder av da er det jo svært spesielt, det vi har sett de siste dager knyttet til eventuell hjelp eller oppkjøp, alt ettersom, av selskapet REC. Vi har altså den ene representanten fra Sosialistisk Venstreparti som går ut i media og sier at her må staten kjøpe, vi har en leder av næringskomiteen som er mer i tvil, og vi har en næringsminister som sier nei. Det skal bli spennende å se hva som blir det endelige resultatet. Dette er altså den stø kursen. Innenfor olje- og gassvirksomheten prøver Så har vi Sosialistisk Venstreparti, som sitter i denne regjeringen, som skal ha den samme stø kursen, men som sier at nei, kanskje vi skal holde igjen, kanskje vi ikke skal utvinne denne oljen. Den rød-grønne regjeringen gikk faktisk i sin tid til valg på at det skulle være slutt på kaoset. Vi har jo kaos nesten hver eneste dag når vi ser hvordan de enkelte politikere fra de forskjellige

Vi har også en situasjon der utenlandske eiere av bedrifter ikke har det samme kravet på seg som norske eiere. Ja, vi har en vei å gå. Men jeg tror også de rød-grønne politikerne kunne gått litt stillere i dørene. Jeg tror nok Norge kommer til å vokse ytterligere når det gjelder

2013. Misforholdet mellom hva ulike rød-grønne representanter gjennom denne debatten har beskrevet som Høyres politikk, og hva velgerne oppfatter å være Høyres rent faktiske politikk, har Det må være en litt trist situasjon at man fra rød-grønt hold er nødt til å karikere Høyres politikk for å skape noenlunde engasjement rundt sin egen. Fremfor å ta Høyres utfordring om å skape trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft henfaller man til noen sånne små nisjedebatter som sikkert er morsomt på debatt-camp hos rød-grønne ungdomspartier, men som ikke tar utgangspunkt i de debattene som Erna Solberg og Høyre har prøvd å reise. Å ta i bruk alle gode krefter er en utrolig viktig del av den norske modellen, som mange representanter har vært innom, men det er Høyre som har politikken: turnusforsøk i Bergen til beste for ansatte og de menneskene som er prisgitt at andre tar vare på dem. Det er respekt for det enkelte mennesket, og det er fellesskap og kvalitet i omsorg i praksis. Å sørge for at bedrifter får mulighet til å ansette flere, eller kanskje faktisk får overleve, ved å fjerne formuesskatten er et bidrag til mer fellesskap – den norske modellen – og til at mennesker beholder eller får en jobb. Å snu opp-ned på et skolesystem hvor spesialundervisningen, i motsetning til i Finland, kommer inn altfor sent, med for lite. Å skaffe flere dyktige lærere, og ikke minst beholde dem ved mer etter- og videreutdanning sånn at de blir i stand til å gi elever den utdanningen de fortjener,

Det har vi gjennom mange år på mange måter hatt i Norge, men det forutsetter en balanse mellom hvor det offentlige griper inn, og den enkeltes bestemmelsesrett og mulighet til å ta ansvar. Kunnskap, kvalitet og konkurransekraft har også en direkte betydning for justispolitikken, for norske fengsler er fulle av mennesker som har falt igjennom i skolesystemet, som ikke har fått nok kvalifisert hjelp i helsevesenet, og som helt sikkert ville ønsket seg en jobb som kunne vært skapt ved å gjøre det lettere å etablere seg og drive bedrifter, og som i tillegg har evnen til å skape en direkte betydning for mengden kriminalitet på annet vis. I de landene som sliter med finanskrise, ser man at man kutter i viktige sosiale tiltak samtidig som politiet mister ressurser på grunn av at man skal saldere budsjettene. Det kan det bli dyrebare erfaringer av. Desto mer bekymringsfullt er det at et rikt land som Norge allerede nå har et politi som er nødt til å saldere IKT-investeringer mot nyansettelser, hvor mørketallene for vinningskriminalitet er økende fordi folk er i ferd med å miste tillit til at politiet i det hele tatt evner å gjøre noe med det de oppfatter som alvorlig, hvor man på få år nærmest har halvert hvor vi ser en voldtektsbølge som gjør at flere og flere jenter blir redde, og hvor det ses gjennom fingrene med Hells Angels’ manglende skjenketillatelse fordi man ikke hadde ressurser til å ta det på alvor. 22. juli-kommisjonen skal si sitt. Men mye tyder også på at vår beredskap ikke holdt mål og at det måtte en katastrofe til for at det skulle bli oppmerksomhet nok om beredskapsnivået vårt. Derfor håper Høyre at justisbudsjettet som legges frem, blir behandlet på en helt annen måte enn det har blitt de siste seks årene, med en åpen dialog med Stortinget der ikke alt er hamret i sten på forhånd og bare bankes igjennom. Helt til slutt har jeg lyst til å understreke det som kollega Eriksen Søreide sa når det gjelder den jobben som gjøres i og utenfor EU for å bekjempe finanskrisen. Én ting er at man er imot norsk EU-medlemskap. Men jeg må ærlig talt si at deler av det som er fremført av rød-grønne, med Senterpartiet i spissen, synes jeg har vært direkte ekkelt å høre på.

Det er likevel sånn at der politikken blir satt ut i livet, og der den får konsekvenser for enkeltmennesker, er ikke i dette huset, men ute i den enkelte kommune. Kommunene er de største velferdsprodusentene i Norge. Derfor er kommunens budsjett av avgjørende betydning for hver og en av landets Det er kommunene som sørger for grunnskoletilbud og barnehageplasser, for vann og avløp, for renovasjon, for helsesøstertjeneste og for god eldreomsorg, for å nevne noe. Dette mangfoldet av oppgaver løses på ulike måter, ikke minst fordi norske kommuner er svært forskjellige. De er forskjellige i areal, i innbyggertall, i utvikling og ikke minst ulike med hensyn til utfordringer. Norske kommuner er forskjellige, men har de samme oppgavene. Generalistkommunen er et politisk valg i Norge. Uansett størrelse har kommunene det samme ansvarsområdet. Det er et uttrykk for den norske likhetstankegangen. Kommunene har mange oppgaver, men noen er viktigere enn andre. Primæroppgaver er helse og eldreomsorg, skoletilbud og barnehager. En av primæroppgavene for alle kommunene er å gi tilbud om en god eldreomsorg og å kunne tilby sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser ved behov. For å kunne tilby i tråd med behovet må det bygges flere slike plasser over hele landet. Regjeringen har kommet kommunene i møte ved å øke tilskuddet til både sykehjemsplasser og til omsorgsboliger. De nye satsene for tilskudd er

Likevel må vi konstatere at det bygges for få plasser i forhold til behovet. Arbeiderpartiets mål er at det skal være full dekning av sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2015. Vi kommer til å arbeide videre for å realisere dette ambisiøse målet. Arbeiderpartiet har høye ambisjoner knyttet til eldreomsorgen. Våre eldre eller hjelpetrengende skal vite at de får et tilbud hvis de behøver det. Vi skal ikke ha innbyggere i kommunene som frykter for framtiden. Det skal være trygt å eldes i alle norske kommuner, og eldreomsorgen skal være verdig og med respekt for enkeltmennesket. Vi vet at det er et økende behov for demenstilbud, og det er også et For å nå disse målene må vi bygge på de fagmiljøene vi har, og videreutvikle disse. Rekruttering til feltet er en viktig oppgave både for kommuner og statlige myndigheter. Mange kommuner er tilbakeholdne med å bygge nye plasser og ytrer bekymring for om de kommer til å klare driften av de nye plassene. Disse bekymringene tar Arbeiderpartiet på største alvor. Vi kan selvsagt ikke bygge nye plasser som kommunene ikke er i stand til å drifte. Enhver kommune er ansvarlig for egen økonomi, at investeringer, gjeldsoppbygging og driftsnivå er tilpasset kommunens inntekter og utgifter. Det finnes et forbedringspotensial i de fleste kommuner. Dette handlingsrommet kan ikke ryddes sentralt, det er en lokal oppgave, en oppgave som må løses i samarbeid med brukerne og de ansatte. Men staten må også bidra med økte overføringer. Økte oppgaver skal ha økte overføringer. Arbeiderpartiet kommer til å prioritere kommuneøkonomi foran skattekutt. For oss vil en god kommuneøkonomi alltid være en garanti for gode velferdstjenester i alle norske kommuner. Denne prioriteringen vil ligge

Det er viktig at offentlig ansatte er godt kvalifiserte og motiverte til å yte sitt beste for fellesskapet. Etter hvert som stadig flere blir pensjonister, blir det enda viktigere at de som jobber, arbeider med det som er aller viktigst. Derfor må vi erstatte unødvendige administrative rutiner med digitaliserte løsninger. Sånn kan vi bruke landets viktigste ressurser på kjerneoppgavene: gode skoler, omsorgstjenester og De offentlige tjenestene er til for folk og bedrifter. Brukerne skal oppleve et godt møte med det offentlige. Arbeidet med Klart språk har gitt gode resultater, men det er fremdeles mye å ta tak i. Innbyggerundersøkelsen viser at de fleste er fornøyd med offentlige tjenester. Men det er rom for forbedringer. Det jobber vi systematisk med. Regjeringen vil prioritere å etablere flere digitale løsninger både fordi mange foretrekker det, for at det kan redusere utgiftene. Regjeringens arbeid med digitalt førstevalg vil fortsatt ha høy prioritet. Investeringer i IKT er viktige også i stramme tider. Det krever gode fellesløsninger og samtidig satsing innenfor de enkelte sektorer. I debatten tidligere i dag har flere vært opptatt av ideell sektor. I helse- og omsorgssektoren yter mange ideelle sektor. I helse- og omsorgssektoren yter mange ideelle organisasjoner en viktig innsats som tjenesteleverandører. Disse har høy kompetanse og stort engasjement, og kan bidra til nye løsninger på velferdsutfordringene. Staten og kommunene er avhengig av innsatsen til disse leverandørene for å sikre innbyggerne gode tjenester. Regjeringen vil videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor, frivillige aktører og ideelle organisasjoner. Ideell sektor har bedt om at det etableres en samhandlingsavtale med det offentlige. Regjeringen ønsker dette forslaget velkommen og har allerede gjennomført et første møte med de frivillige organisasjonenes organisasjoner. Det tas sikte på å ha en samarbeidsavtale klar i løpet av våren 2012. I statsbudsjettet som legges fram, redegjøres det nærmere for dette arbeidet.

De fleste av tiltakene er på plass, og den 22. juli gjensto det ett vesentlig tiltak, stengningen av Grubbegata. Arbeidet med dette var i gang og skulle vært ferdig i disse dager. Spørsmålet om sikkerheten ved regjeringskvartalet har opptatt mange i etterkant av bombeangrepet. Det er både naturlig og forståelig. Dette er et tema som For alle som har sitt daglige virke i regjeringskvartalet, har det vært krevende uker. Kollegaer har gått bort, andre er hardt skadet. Arbeidsplassen for mange er sprengt. I tillegg til Statsministerens kontor må seks departementer være forberedt på å være lokalisert i midlertidige lokaler i mange år framover. Det vil fortsatt gå tid før vi kan si noe mer om hva som skal skje med regjeringskvartalet – om vi skal rive og bygge nytt, om vi skal reparere det vi kan og bygge noe nytt, om vi skal ha regjeringskvartalet så samlet som vi kjenner det i dag, eller spre bygningene rundt i Oslo sentrum. Spørsmålet om sikkerhet kommer til å spille en viktig rolle i dette arbeidet. Vi må planlegge for det utenkelige. Men i arbeidet skal vi ha med oss verdiene om et åpent samfunn. Ulike hensyn må gå hånd i hånd. hensyn må gå hånd i hånd. Andre forhold vi må ta hensyn til, er bl.a. funksjonalitet når det gjelder moderne arbeidsplasser, byutvikling, kulturminner og selvsagt økonomi. Regjeringen går inn i dette arbeidet med et åpent sinn. Det blir replikkordskifte.

Den meirverdiavgifta som frivillig sektor representerer, vert ikkje etterspurd. Frivillige organisasjonar har pensjonsforpliktingar som nye aktørar ikkje har. Dei får ikkje avtaler som held oppe drift uavhengig av svingingar i det offentleges behov. Kontraktane som ein inngår, har for kort varigheit. Statsråden utfordrar organisasjonane til å hjelpe til med å områda. Spørsmålet mitt er: Har dei frivillige organisasjonane skaffa fram slik dokumentasjon, og kva har statsråden tenkt å gjere for å gjere rammevilkåra betre for frivilleg sektor? Som jeg sa i mitt innlegg, har vi hatt et godt møte med representanter for frivillig sektor. Vi er enige om at vi skal inngå en samarbeidsavtale der vi legger noen overordnede rammer på plass. Vi har fått noe dokumentasjon fra frivillige organisasjoner på noen av de forholdene som er omtalt. Jeg er enig med de frivillige organisasjonene i at det er viktig å få på plass gode systemer der vi kan ivareta den kvaliteten som de frivillige organisasjonene representerer innenfor ideell sektor. Det er viktig at vi klarer å etterspørre det når vi legger ut anbud. På den måten kan vi også verdsette det og la det bli et konkurransefortrinn når de frivillige organisasjonene legger inn anbud i det offentlige. Så er det en del andre forhold som vi fortsatt skal ha god dialog med organisasjonene om. Jeg føler meg trygg på at vi skal få til en god samhandling med frivillig sektor, slik at de i fortsettelsen også kommer til å være en viktig samarbeidspartner for

komiteen om følgende: «Komiteen mener det i tillegg er behov for at det raskt nedsettes en arbeidsgruppe som vurderer særskilt vilkårene for ideelle og nonprofittbaserte institusjoner med sikte på å løse de akutte problemstillingene som institusjonene opplever.» Nå har statsråden brukt et år på å gjøre det Stortinget mente var viktig på lengre sikt. Når har statsråden tenkt å gjøre det som Stortinget mente hastet, og som er akutt?

til de internasjonale forpliktelsene vi har gjennom EØS-avtalen, og at de avtalene vi skal inngå med de frivillige organisasjonene, er basert på at vi har EØS-avtalens regler i bunnen. Så har vi allerede – og det tror jeg er registrert av flere, også de frivillige organisasjonene – startet arbeidet med å endre praksis. Det er inngått andre typer avtaler i Bufetat. Bufetat. Jeg har også registrert at det er stor fornøydhet blant mange av de ideelle aktørene om de endringene som er gjort i Helse Sør-Øst når det gjelder inngåelse av avtaler der. Så regjeringen har tatt de signalene som har kommet. Vi har startet arbeidet med dette, helt uavhengig av om vi kommer til å få på plass en samarbeidsavtale – noe jeg er helt sikker på at vi også kommer til å gjøre.

handlekraft fra regjeringens side for å gjøre de grepene som er nødvendige. Det har vært en tung jobb å få satt den handlekraften ut i livet. Nå hører vi at statsråden viser til at det har begynt å skje endringer. Når hun tidligere har svart på spørsmål om løpende

man må være klar over at her er det mange avtaler som løper. Det er jo ikke bare å gå inn og gjøre dette midt i en anbudsperiode. Så eventuelle endringer som kommer, vil vi se når det legges ut nye anbud. Så er det, som jeg sa, viktig at dette skjer innenfor det som er

offentlige. Jeg syns det er rart at man ikke klarer å se de verdiene som også ligger i det, når man skal se på de store anbudsrutinene. Hvis man skal ha anbud i et marked, forutsetter det at det er mange tilbydere, og at de tilbyderne er der igjen neste gang man skal ha anbud. Hvis ikke vil enhver anbudsrunde

Da er det ingen andre som faktisk kan tilby noe. Som jeg sa i mitt innlegg, er jeg helt enig med representanten Skei Grande i at de ideelle aktørene har mange kvaliteter som det er viktig at vi tar vare på. Derfor er det viktig at de som etterspør tjenester fra dem, evner å lage konkurransegrunnlag som også tar vare på det som ideell sektor har som fortrinn, bl.a. at det er mange frivillige som kan bidra med tjenester innenfor helse- og

dukket opp veldig mange nye frivillige organisasjoner som ønsker å være med og konkurrere om de offentlige anbudene som blir lagt ut. Vi må også ta med oss at når noen taper innenfor ideell sektor, er det ofte andre ideelle som vinner de samme anbudene. Replikkordskiftet er omme. Det har vært til dels heftig flørt med Kristelig Folkeparti i dag, og det er jo alltid hyggelig å bli flørtet med. Men noen ganger går

Da tror jeg representanten blander sammen treenigheten og trepartssamarbeidet, og glemmer at det fortsatt er forskjell på de ti bud og handlingsregelen. For noen år siden, da Bondevik-regjeringen måtte gå av etter valget i 2005, hadde pipa en ganske annen lyd. Det er ganske pussig at når man skal fri fra venstresiden til Kristelig Folkeparti, peker man på fattigdomspolitikken. Men så har Kristelig Folkeparti faktisk sittet og styrt fattigdomspolitikken, sammen med Venstre og Høyre. I 2005 så har Kristelig Folkeparti faktisk sittet og styrt fattigdomspolitikken, sammen med Venstre og Høyre. I 2005 møtte man ikke honnør fra venstresiden, men slakt og kjeft. Kristin Halvorsen gikk, som kjent, da til frontalangrep på daværende statsminister Bondevik. Hun lovet å fjerne fattigdommen i Norge, avskaffe den, og sa at det dreide seg om politisk vilje. Så vet vi at resultatet siden den gang har ikke vært at fattigdommen i Norge er blitt fjernet, den har faktisk økt. Så er spørsmålet: Når man da har innsett at fattigdommen fortsatt har økt med en som sa at det dreide seg om politisk vilje, og at den kunne fjernes med et pennestrøk, hva skal man da gjøre? Skal man da være høy og mørk og fortsette å kjefte og si at dere har også sviktet? Eller er det faktisk en mulighet og en åpning for en ny type fattigdomsdebatt i Norge? Jeg tror at det siste er tilfellet. Hvis vi skal investere for fremtiden og trygge den norske velferdsstaten, så er dét avgjørende for norsk økonomi og velferd, men det er også avgjørende hvis vi skal klare å løfte dem som i dag har falt utenfor velferdssamfunnet, inn. Men den kanskje viktigste begrunnelsen for de viktige velferdstiltakene vi vedtar i denne sal, sal, er ikke at de opprettholder velferden for dem som er sterke nok til å stå på egne bein og klare seg selv, men at de bidrar til å styrke mulighetene for dem som har falt utenfor. Jeg tror vi kan få en ny og bedre debatt om fattigdom hvis vi slutter å stirre oss blinde på inntektsstatistikkene. Misforstå meg ikke: Jeg mener at økonomiske forskjeller som er for store, er et problem. Det er en uting, og det er en urettferdighet i land hvor de økonomiske forskjellene er så store at noen bor uten tak over hodet, mens andre bor bak store murer. Men dét er ikke situasjonen i Norge i inntektsstatistikken i Norge vil variere fra år til år. Dersom det er et dårlig år på børsen, så risikerer man at forskjellene i Norge blir mindre, men det er ikke ett eneste barn i Norge som har fått økte muligheter av den grunn. Det er jo også paradokset ved at økonomien i Norge går bra, at de rød-grønne da – på grunn av måten vi måler fattigdom på i Norge – er nødt til å se at det samtidig, relativt sett, har blitt flere fattige barn i Jeg tror ikke det er noe poeng i å fortsette en fattigdomsdebatt som bare handler om store slagord og ikke om reelt innhold. Jeg tror vi for det første må innse at for veldig mange som er fattige i Norge – for det fins fattige i et av verdens rikeste land – er lavinntekt et symptom og ikke en årsak. Det vil si at fattigdom ikke bare kan måles på inntektssituasjonen din der og det dreier seg om manglende integrering, det dreier seg ikke minst om sosial marginalisering, det dreier seg om psykiske problemer, om helseproblemer – om en hel rekke problemstillinger. Hvis vi skal få en ny og bedre fattigdomsdebatt, er vi nødt til å angripe problemene på en helt annen måte. Vi er for det første nødt til å ha fokus på arbeid – ikke bare for å styrke Norges velferd for men rett og slett fordi arbeid er den aller beste vaksinen mot fattigdom. Manglende arbeidsdeltakelse og fattigdom henger sammen. Da kan vi ikke holde oss med et system hvor det for mange mennesker i Norge er slik at en får mindre penger igjen hvis en går på jobb, enn hvis en ikke går på jobb. Det er urettferdig å be folk om å stå opp om morgenen hvis de taper penger på å gå på jobben i stedet for å være hjemme. Punkt to: Vi trenger en mer målrettet fattigdomssatsing, som retter seg mot dem som faktisk trenger det mest. Det betyr f.eks. at alle kommuner i Norge burde ha utstyrsutlån til fattige barn og kontingentbetaling, slik at man slipper å bli stengt ute fra fritidsaktiviteter bare fordi foreldrene ikke har inntekt. Punkt tre: Vi er nødt til å gripe fatt i debatten integrering–fattigdom på en helt annen måte. Den største gruppen i Norge som er fattig, er også mennesker som nylig har ankommet landet, og det er et stort problem. For Arbeiderpartiet er

men den største andelen av landets verdiskaping står norske kvinner og menn for. Vår velstand bygger derfor på skole og utdanning for alle og på høy sysselsetting. Regjeringen har loset Norge trygt gjennom finanskrisen og er rustet til å møte nye kriser. Fordi vi satte av penger i gode tider, hadde vi økonomiske muskler til massive motkonjunkturtiltak da krisen kom. Og i motsetning til andre land har vi gjort dette uten å ta opp lån. Vi har kommet trygt gjennom økonomisk vanskelige tider og har i dag Europas laveste arbeidsledighet. Sysselsettingen i Norge er faktisk på historisk høyt nivå. Oljeinntektene har gitt oss store muligheter, men også nye utfordringer. Svært mange land har gjennom historien hatt store inntekter fra naturressurser, men ikke alle har lyktes i å skape lav arbeidsledighet og gode velferdstjenester for hadde på 1990-tallet og i årene fram mot midten av 2000-tallet problemer med arbeidsledighet, selv om vi hadde store oljeinntekter. Derfor innførte regjeringen handlingsregelen i 2001. Den har ført til stabilitet i statsbudsjettene, og Norges økonomi er blitt mindre sårbar for kortsiktige Klok oljepengepolitikk har jevnet ut slike svingninger, svingninger som ellers ville skape store vanskeligheter for norske familier. I praksis betyr dette at vi i perioder med høy aktivitet og fare for prisvekst og høy lånerente, skal bruke mindre. Omvendt skal vi i perioder med økende ledighet og lav vekst, som under finanskrisen, bruke mer oljepenger.

Siden vi tok over i 2005, er det skapt 250 000 nye arbeidsplasser i landet, og to av tre har kommet i privat sektor. Det viser at rammebetingelsene for verdiskaping er gode i Norge, og politikernes og regjeringens oppgave her er å legge til rette ved å investere i kunnskap og forskning og å gjøre det lett å starte nye bedrifter. Fortsatt vekst for Norge er avhengig av at vi fortsetter å satse på utdanning og forskning. Vi er et av OECD-landene med størst andel av befolkningen med universitets- og høyskoleutdanning. De kunnskaper og ferdigheter som norske menn og kvinner totalt besitter, er landets viktigste bankbok, eller, for å bruke et annet bilde, landets største og reneste oljefelt. I år bruker vi 25 mrd. kr til forskning, og Norge er dermed det landet som bruker nest mest penger per innbygger på forskning i verden. Hvis vi går tilbake til våren 2008, nådde aksjekursene historiske topper både i Norge og i USA. Råvareprisene steg, og midt i juli 2008 var oljeprisen 150 dollar fatet. Fra september 2008 var scenen en helt annen. Amerikanske myndigheter lot Lehman Brothers gå over ende den 15. september 2009. Verdens børser stupte, Oslo falt fra en topp på 520 poeng i mai til 180 i november. Tidspunkt og styrke på slike hendelser kan aldri forutses med presisjon. Men det er varsler, hvis vi vil se dem. I 2007 startet det med subprime-lån uten dekning i realiteter i USA. I dag er det uklart om eurosonen finner vei ut av nasjonale gjeldskriser i deler av Europa. Prisen for enkeltmenneskene er arbeidsledighet.

Ja, det er sågar hentydet at hvis vi hadde sittet med makten, ville Norge ha vært et nytt Hellas. Disse påstandene må være basert på ordtaket om at hvis en løgn sies mange nok ganger, blir den til slutt en sannhet. Vel, denne påstanden kommer aldri til å bli en sannhet, noe som ved gjentatte anledninger er bekreftet av Statistisk sentralbyrå, gjennom vurdering av Fremskrittspartiets årlige budsjetter. Jeg synes at regjeringspartiene ved å ty til slike påstander viser et lavmål i debatten, ved å prøve å skape et bilde som de selv vet ikke er rett. Sannheten er at land som Hellas er i denne krisen bl.a. fordi de ikke har effektivisert sine tjenester, de har unnlatt å deregulere offentlige tjenester. Det vil si at konkurranse i stor grad er fraværende, og at det er monopolliknende tilstander i store deler av samfunnet. Dette gjør at samfunnet drives ineffektivt og kostbart.

og det er ikke omgjort til et monopolselskap. Verre gikk det med omorganiseringen av deler av Jernbaneverket. Her klarte de rød-grønne å stoppe en prosess som ville gitt gode økonomiske resultater. Det samme gjaldt bruken av anbud på jernbane slik at NSB fikk konkurranse, Jeg kunne nevnt i fleng flere områder. Også oljepengebruken angriper de Dessverre ser ikke de rød-grønne forskjellen mellom investeringer og drift. Men det er altså forskjell på å øke driften av et samfunn og å flytte noen av investeringene fra aksjeposter i utlandet til investeringer i bl.a. vegnettet i Norge. En slik flytting av investeringsmidler ville ført til langt mer effektive transportløsninger, som igjen hadde gitt større avkastning for næringslivet – igjen et

som det er så vanskelig å forholde seg til at vanlige folk ikke klarer å fylle ut en byggesøknad, men den gjør også at det må ansettes en mengde byråkrater i stat, fylkeskommune og kommune. En forenkling av lovverket på dette området og alle andre områder i samfunnet kunne ført til at en mengde byråkrater som må behandle, innvilge, avslå og kontrollere forskjellige søknader og konsesjoner, ville kunne utnytte sin gode

ikke et effektivt drevet samfunn hvor konkurranse og valgfrihet erstatter monopol og tvang, hvor effektive transportløsninger og anbud erstatter dårlig veistandard og monopoler. Så statsministeren har rett i at det ikke går an å drive et samfunn med lave skatter og mye velferd hvis en legger til grunn at det ikke skal være konkurranse, men monopol, tvang og ikke valgfrihet, ineffektivitet og ikke effektivitet.

Ingen kan si at det er et en-til-en-forhold mellom naturkatastrofer og klimaendring, men vi er altså inne i nettopp den typen endringer som lenge har vært spådd, og som verden må forberede seg på. Mange land tar nå viktige skritt på veien mot mer klimavennlige samfunn, samtidig som klimaforhandlingene ikke går framover på den måten vi ønsker. Skritt for skritt bygges det riktignok opp mye, men vi kan likevel ikke forvente at vi i Durban i desember vil få den omfattende klimaavtalen som vi ønsker, med forpliktende mål fra de viktigste landene. Norge går inn i forhandlingene i Durban med tre viktige ambisjoner, for det er på de tre områdene vi kan oppnå noe. Det ene er hvordan vi skal videreføre Kyotoprotokollen, det andre er hvordan vi skal etablere det grønne fondet som ble vedtatt i Cancún for et år siden

Da er det viktig å huske at Kyotoprotokollen nå – med de landene som har sagt seg villig til en ny forpliktelsesperiode, EU og Norge – ikke omfatter mer enn 15 pst. av utslippene. Med andre ord: Dette er en viktig del av utslippene, det har stor symbolsk betydning. Kyotoprotokollen er viktig på grunn av at det byggverket som ligger der, med markedsbaserte mekanismer, er det vi bygger på. Samtidig kan ikke Norge har tatt to vesentlige initiativer. Vi har sammen med Australia lagt fram et forslag som nå diskuteres mye internasjonalt, og som har som formål å sikre at Kyotoprotokollen blir videreført, men at det også skjer innenfor en ramme hvor vi kan se veien mot framtidige bindende avtaler. Særlig dreier det seg om at USA er villig til større forpliktelser. Det er det ene sporet. Det andre sporet er at vi har tatt initiativ til et samarbeid med det vi kan kalle de progressive industrilandene. Det er i hovedsak de nordvestlige delene av EU, men også land som Australia, New Zealand, Sveits og andre. Det er land som Norge har nærmest identiske synspunkter med når det gjelder internasjonale klimaregimer. Vi forsøker å utarbeide felles posisjoner for å bruke det til å legge press på USA og andre store utslippere, men også for å kunne komme i en dialog med Japan og de landene som er i Kyotoprotokollen, men som sier at de ikke er villig til en ny forpliktelsesperiode. Dette kommer til å bli vanskelig,

Forrige uke var jeg i Indonesia og hadde møte med president Yudhoyono. Men mye viktigere: Han snakket til halve sin regjering, til sentrale næringslivsledere, til det sivile samfunn og til media, kort sagt Indonesias befolkning, og erklærte at han skulle bruke de tre siste årene av sin

Tyskland har sagt at man skal ha et atomfritt samfunn i 2021. Det kommer til å føre til en drastisk forbedring av teknologien på fornybar energi-området og andre områder i Tyskland. Og Kina blir verdensledende på den ene teknologien etter den andre innenfor dette området, enten det er vindkraft, hurtigtog eller solceller. Norge må følge opp i samme spor som de landene, som har tatt en ledertrøye, jeg har nevnt Indonesia, Australia, Tyskland og Australia, Tyskland og Kina på ulike måter. Det vil vi gjøre i forbindelse med klimameldingen som blir lagt fram for Stortinget tidlig neste år, hvor utfordringen for Norge er å foreta tilsvarende reduksjoner på de fire hovedområdene vi må redusere – det er olje og gass, det er industri, det er samferdsel, og det er energibruk i bygg. Det blir replikkordskifte.

Så det blir spennande å sjå kva som blir bore til torgs frå denne regjeringa. Blir det Ola Borten Moes krig mot miljøorganisasjonane, som får kritikk i eigne rekkjer, blir det Flåthens kritiske utsleppsbit som blir gjenspegla i regjeringa, eller er det SV, som har meir tru på Kina sine evner til å redusere utslepp? Korleis vil miljøvernministeren

men det er jo mye mindre nyanseforskjeller mellom de tre partiene i regjeringen enn det er internt i Fremskrittspartiet. For i Fremskrittspartiet står noen fram og erklærer at klimaendring er et vesentlig problem som man ønsker å bruke milliarder av kroner på å bekjempe. Andre sier at det er ikke noe problem i det hele tatt – det er bare noe tøys og tull som sosialister som Erik Solheim har funnet på, og atter andre at ja, kanskje, på den ene siden og på den andre siden, og at det er vitenskapelig usikkerhet. Så la Fremskrittspartiet først gjøre opp i sitt eget hus. Så kan de begynne å angripe andre.

og tegnet et godt bilde av hva vi står overfor av klimaendringer. Situasjonen er utvilsomt alvorlig. I Norge har vi både teknologi, kompetanse og kapital til å være en viktig del av løsningen på klimautfordringene, og vi har mulighet til å vise at et lavutslippssamfunn lar seg kombinere med høy vekst og høy levestandard. Men vi har tidsnød, og jeg håper at statsråden ikke avspiser meg med et slikt svar som han ga til forrige spørrer, men svarer meg på dette med alvor. Mener statsråden at det er mulig fremdeles å nå klimaforlikets mål innen 2020 med det tidsløpet som regjeringen legger opp til? La meg legge til: Erkjenner han at det vil bli vanskeligere for hver eneste dag regjeringen utsetter de konkrete tiltakene som ligger i denne meldingen, å nå de målene vi har satt oss i fellesskap?

Min kone har flyttet tre eller fire ganger. Hun er ikke av de sentrale i dette, men det illustrerer problemet. Å da samtidig ha det fornødne fokus på den interdepartementale høringen som en så svær melding som dette er, tror jeg alle forstår ikke har vært mulig. Men vi skal gjøre vårt ytterste for å få den fram, og jeg deler Astrups bekymring: Jo lengre tid som går, jo vanskeligere blir det å nå målet.

prosessene. Statsrådens innlegg gir et godt bilde av at de internasjonale prosessene går for sakte i forhold til de utfordringene vi står overfor. Spørsmålet er: Hva gjør vi da, mer enn å pushe på de forhandlingene så mye vi kan, gitt at de går for sakte? Jo, det virkemidlet vi da står igjen med, er det som også SVs parlamentariske leder var innom tidligere i dag, nemlig å kutte i de innenlandske utslippene og vise verden at det går an å gå foran, og at det går an å få det til. Spørsmålet til statsråden er: Kan statsråden bekrefte og garantere at når regjeringen kommer med klimameldingen til Stortinget, så er det med minst like store ambisjoner for innenlandske kutt som det som lå i klimaforliket for snart fire år siden?

Realiteten er i dag at vi har en nedgang på samferdsel, og vi har en nedgang på industri, samtidig som vi har en økning i klimagassutslippene fra olje og gass, og de er dessverre blant dem som er vanskeligst å få gjort noe med. Der bygger vi på vedtak som Stortinget ofte enstemmig har gjort, eller i alle fall med overveldende flertall. Så det kommer til å bli vanskelig å nå dette, men ambisjonene og hva vi skal legge fram, er det ingen tvil om. La meg først få lov til å slutte meg til statsrådens resonnement der han avsluttet nå, nemlig at det er krevende. Det har vi full forståelse for. Det er mange vanskelige avveininger som skal gjøres, og det er mange ulike hensyn som må veies opp mot hverandre for at man skal komme i mål. Så det har jeg stor forståelse for. Imidlertid er det slik at det klimaforliket. Jeg registrerer at statsråden mener at hendelsene 22. juli har forsinket arbeidet. Det kan ikke jeg argumentere mot, men det jeg kan si, er at klimameldingen skulle ha vært levert før 22. juli. Dermed ville det vært ærligere av statsråden å si at dette også skyldes interne motsetninger i regjeringen. Men spørsmålet mitt, som jeg ikke fikk svar på i sted, er: Mener statsråden fremdeles det er mulig å nå klimaforlikets mål innen 2020 med det tempoet som regjeringen nå legger opp til, hvor man i praksis kun vil ha syv år på å nå disse ambisiøse målene? Det er ingen tvil om at det er mulig. Det er til sjuende og sist et spørsmål om kostnader og politisk vilje. Så ja, selvsagt er det mulig. Men jeg må få lov til å legge til, uten å være veldig polemisk, at det hjelper jo ikke om man i mellomtiden fremmer det ene forslaget etter det andre som vil føre til

eller Fræna, vil øke norske klimagassutslipp. Også en del av de synspunktene Høyre har på samferdselsområdet, vil dessverre også øke i stedet for å redusere norske klimagassutslipp. Så vanskelig er oppgaven at ikke bare skal vi ha dem vesentlig ned på nyåret, når dette kommer, vi skal også i mellomtiden motstå fristelsen i dette hus til stadig å foreslå vedtak som vil øke norske klimagassutslipp.

tempoet er slik regjeringen har ført fram til nå – det er nemlig snart fire år praktisk talt uten handling siden klimaforliket – så blir det veldig vanskelig. Det er alltid interessant å lytte til trontaledebatten på Stortinget. Det sies mange gode, fornuftige ord på tvers av partigrensene og fra alle Det har i debatten i dag blitt sagt mange gode ord om samhold og tillit mellom mennesker og de kvaliteter det gir oss som samfunn. Men da er det jo interessant å spørre: Hvor skjer den mest grunnleggende innlæringen av omsorg for andre, sosiale ferdigheter og fellesskap? Det er i samspillet med våre nærmeste, foreldre og søsken, vi tidlig i livet utvikler de mest grunnleggende egenskaper som gjør at vi kan leve i fellesskap sammen. Derfor var det underlig å høre statsministerens innlegg der han for øvrig bare så vidt berørte familiepolitikken i én setning, og det gjaldt da omlegging av kontantstøtten, hvor han sa følgende: «Dette er tunge og krevende omstillinger, men de er helt nødvendige for å bevare de trygge

Fjerning av kontantstøtten for toåringer gir norske familier med toåringer mindre valgfrihet, mindre fleksibilitet og mindre tid sammen. Det skal da etter den rød-grønne logikken styrke fellesløsningene. I russetiden til mitt kull – det er noen år siden, som de fleste skjønner – var én av slagerne i mange festlige lag visen om Luse-Frans av Lillebjørn Nilsen. Sangen handler om fillepelleren Luse-Frans, som for noen tiår tilbake vandret rundt i Oslos gater og samlet skrap i kjerra si. I sangen heter det: «Best husker jeg din lue ned i pannen, som barna trodde skjulte dine lus. Men mor sa: «Vis respekt for denne mannen! Han triller freden mellom våre hus.»» Jeg har undret meg mye over hva Lillebjørn Nilsen kan ha ment med å trille «freden mellom våre hus». Ettersom livet har gitt meg noe mer innsikt i hvordan samfunnet og fellesskapet mellom menneskene fungerer, ante jeg litt mer om hva dette mystiske begrepet kunne bety. Livet lærer oss at i dag er jeg sterk, og du er sårbar. I morgen er det motsatt. Livet lærer oss at i dag er jeg den normale, og du er den som er annerledes. I morgen er det motsatt. Livet lærer oss at en lenke ikke er sterkere enn dens svakeste ledd. Derfor er det måten vi behandler de mest sårbare blant oss på, som viser vår kvalitet som samfunn. Det er måten vi møter de mest sårbare blant oss på, som er vår alles forsikring for at vi selv er en del av fellesskapet, både i dag og i morgen. Derfor er det kanskje denne moren i Lillebjørn Nilsens vise som viser oss noe av hemmeligheten ved å leve sammen i fellesskap. «Men mor sa: «Vis respekt for denne mannen! Han triller freden mellom våre hus.»» Vi står overfor store spørsmål og diskusjoner om positiv bruk av gen- og bioteknologien til menneskets beste, vi skal sette opp gjerdestolpene sånn at vi unngår nye klasseskiller og diskriminering og unngår nedvurdering av mennesker med mindre eller annen håndbagasje enn oss selv. Fosterdiagnostikk og surrogati er bare to stikkord blant mange flere for hva denne diskusjonen skal inneholde. Menneskesynet blir satt på prøve. For er det likegyldig om vi ser på barn som noe som kan bestilles, eller om barn er en gave? Er det likegyldig om vi lager regler og lover som legger til rette for at de som tilsynelatende er funksjonshemmede, kan velges bort, eller om vi verner om livet? Det er våre valg som nasjonalforsamling som avgjør om vi også i framtiden har noen som triller freden mellom våre hus. Norsk helsevesen er hus. Norsk helsevesen er veldig, veldig bra, sa Fremskrittspartiets Per Arne Olsen, før han riktignok la til et par bisetninger som nyanserte uttalelsen noe. Hans utsagn om at behandlingskøene vokser, er i beste fall basert på manglende kunnskap. kunnskap. I januar i år var gjennomsnittlig ventetid på nasjonalt nivå 79 dager. I juli, et halvt år senere, var ventetiden nede i 62 dager. Det er en nedgang på over 20 pst. Det er bestenotering. Aldri siden man begynte å måle slikt, har man hatt så kort ventetid. Jeg gratulerer alle ansatte og helse- og omsorgsministeren, ventetid. Jeg gratulerer alle ansatte og helse- og omsorgsministeren, og sier: Fortsett slik. Vi som har bevilget mer penger til pasientbehandling i år, har også all mulig grunn til å være fornøyd med utviklingen. Dette må fortsatt ha høy prioritet – ja, høyeste prioritet. Svært høy prioritet må også kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet ha, i alle ledd på alle nivå, politisk og faglig. Den varslede stortingsmeldingen om denne grunnleggende delen av helsetjenesten blir viktig, i tillegg til serien av tiltak som statsråden for lengst har iverksatt, for økt trygghet for god og riktig behandling. Samhandlingsreformen er en viktig reform full av muligheter, og kommuner flest ivrer etter å komme i gang og virkeliggjøre reformens omforente og gode målsettinger. Landet er fullt av piloter, Samhandlingsreformen gir, som det meste for øvrig, også muligheter til å problematisere og fokusere på vanskeligheter hvis en synes det er en meningsfull syssel. Igjen er det de som har minst tillit til lokaldemokratiet som roper høyest om at staten må styre mer, og at bremsene må skrus på. Dette er egentlig en Det blir mye opp til kommunene sjøl hvordan og i hvilket omfang de vil innfase reformen. Endringene må skje på en avtalt og trygg måte, der kommuner og sykehus harmoniserer endringene som skal skje og gjennomføres til beste for pasientene og brukerne. Men unødvendig tidsbruk bør vi ikke ha for mye av. I dag har helse- og omsorgsministeren for øvrig lansert en veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, som blir lovpålagt fra nyttår. Så nå er også den på plass. Igjen: Fremskrittspartiets Per Arne Olsen omtalte sin usvikelige tro på lokaldemokratiet. Trosspørsmål er langt på vei en privatsak, men jeg må allikevel bemerke at når partiet hans vil følgelig statliggjøre, helst privatisere og således også byråkratisere eldreomsorgen, lar han lokalpolitikerne abdisere på et svært viktig samfunnsområde. Kanskje er troen på markedet så sterkt at det heller ikke på sikt er meningen å ha særlig politisk styring sentralt. Fremskrittspartiet og Høyre har litt til felles – det skal de ha. Bent Høie liker bytterett bedre enn Bytterett klinger nok også godt et hakk lenger til høyre for Høyre. Men slikt skaper forskjeller mellom folk. Jeg tror bytteretten blir begrenset der hvor utbyttemulighetene er små. Høyresiden er også begeistret for anbud, men de liker ikke konsekvensene av anbud – at noen logisk nok taper anbud. I mange sammenhenger er anbud helt nødvendig, men alt må ikke nødvendigvis gjøres slik det har vært gjort til nå. Vi har opplevd anbudsprosesser og resultater vi synes det kan være vanskelig å forstå og endog akseptere. Behovet for forutsigbarhet for våre private samarbeidspartnere er svært viktig for å sikre stabil kvalitet og påkrevde investeringer til beste for pasientene. Jeg er derfor veldig glad for at det Jeg er derfor veldig glad for at det nå etableres løpende avtaler med ideelle aktører på rusfeltet i tillegg til det som allerede er gjort innen barnevernet. Jeg vil gjerne gå litt lenger. Prinsippet om løpende avtaler bør absolutt også legges til grunn når avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner etter hvert skal reforhandles. Her trengs i høyeste grad også mer forutsigbarhet for å sikre velkvalifiserte aktører uten kommersiell interesse som gode samarbeidspartnere for det offentlige. Mange har sitert LO-lederen. For å bringe inn litt variasjon vil jeg da sitere Sykepleierforbundets leder, Lisbeth Normann: «Vi gjentar til det kjedsommelige: Det er kun ansattes lønn- og arbeidsforhold og antall mennesker på jobb et kommersielt selskap kan spare inn på.» Det er godt sagt! Verdighet i tjenesten må også omfatte dem som utfører tjenestene.

Statsråden sa også at denne regjeringen satset og skulle bygge ut et moderne og effektivt veinett på 20 år. Det er ganske enkelt, det, når de 17 150 verste kilometerne med vei er sendt over til andre, og man ber dem ta oppvasken uten å sørge for at det er oppvaskmiddel som gjør at man faktisk kan få gjort noe med det dårlige veinettet. Da er det enkelt å

infrastrukturen er der. Men vi har langt over ett minutt i døgnet hvor vi er veldig glade, og hvor det skjer mye. Det er vi glad for, men jeg må nok fortsatt si at det går med sneglefart når det gjelder de store utfordringene man står overfor både på riksveinettet og ikke minst på det enorme fylkesveinettet, som man har i Norge, og som er i utrolig dårlig stand. Norge er i en særstilling i Europa nå. Mens andre europeiske land sliter med alvorlig gjeldskrise, kom det på fredag en ny gladmelding om at det faktisk ser ut som om man har gjort et av de største oljefunnene nå på hele 2,6 milliarder fat oljeekvivalenter. Hvis det stemmer, snakker vi faktisk om Norges tredje største oljefunn opp gjennom tidene. Markedsverdien er på over 1 100 mrd. kr. Mye av det vil faktisk komme inn i I hvilket som helst annet land ville folk selvfølgelig jublet over det. Og i et hvilket som helst annet land hadde politikerne straks begynt å diskutere hva man skal bruke alle pengene til. Men Norge er annerledeslandet, som mange har vært inne på. Her tar man ganske enkelt for gitt at alle pengene fra det nye oljefondet helst skal brukes til å kjøpe aksjer i utenlandske selskaper og ikke til å investere i infrastruktur og Jeg mener vi bør ta en grundig debatt om hva de gledelige ekstrainntektene skal brukes til. Og som sagt, hva med å investere i fremtiden og bygge infrastruktur, som folk kan ha glede av i minst 100 år fremover? Jeg hadde i forrige uke gleden av å være på komitéreise i Sveits. Det er et land vi kan lære utrolig mye av når det gjelder samferdsel. Det var en del ting vi helst ikke skal lære der også, men vi kan i hvert fall lære at de har på 20,8 mrd. sveitserfranc, ca. 135 mrd. norske kr. Fondet skal gå til investeringer i hovedveinettet og flaskehalser i byene. Fordelene med et infrastrukturfond er helt åpenbare: Infrastrukturinvesteringene tas ut av de årlige budsjettene. Et slikt fond ville i Norge kunne løse det særnorske problemet hvor vi bygger ti ganger to kilometer vei. Kanskje man burde brukt flere lange og større prosjekter fordi man kan finansiere det med infrastrukturfond. Arbeidsledigheten i Europa er utrolig trist for dem det gjelder. Men arbeidsledigheten gir oss også mulighet til å hente inn arbeidskraft i tillegg til vår egen arbeidsressurs. Vi kan faktisk få hjelp fra hele Europa, og vi kan hjelpe hele Europa. Vi kan gi fordi vi trenger å bygge opp infrastrukturen i vårt eget land. Med lav europeisk rente og høy europeisk arbeidsledighet ligger forholdene nå godt til rette for en massiv bygging av ny vei og jernbane i Norge. Jeg har vært mye rundt i landet, fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord, og jeg kan bekrefte at behovet for ny infrastruktur er helt enormt. For bedrifter som eksporterer fersk norsk fisk til Europa, betyr faktisk hver eneste time med forsinkelse masse penger.

Jeg vil kjøre bomfritt. Jeg synes faktisk vi i dette landet har råd til å bygge skikkelig infrastruktur, uten bruk av bompenger. Presidenten legger merke til at representanten Hoksrud har lagt igjen en rapport her. Den kan sikkert andre ha nytte Høyre vil trygge velferden, arbeidsplassene og økonomien i utrygge tider. Derfor ønsker vi å benytte muligheten trontalen gir oss til å diskutere hvilke løsninger som vil bidra til å sikre vår fremtidige velferd. Høyre vil ha trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft. Vi trygger velferden gjennom å skape mer, ikke skatte mer. Denne debatten har ikke handlet mye om fremtiden, bortsett fra at Arbeiderpartiet har vært opptatt av hvem som skal overta styringen av landet etter dem i 2013. Arbeiderpartiet har brukt mye av taletiden sin på å tegne skremmebilder av hvordan det vil bli med en ny regjering. Arbeiderpartiet sier at de vil samarbeide med private. Når vi sier det samme, kaller de det privatisering. Når Arbeiderpartiet sier at de ikke er avvisende til å endre arbeidsmiljøloven hvis det er nødvendig, kaller Arbeiderpartiet det brutalisering av arbeidslivet når Høyre sier det samme. Arbeiderpartiet sier at skattekutt er velferdskutt, men kaller det velferdsløft når Arbeiderpartiet kutter Arbeiderpartiet sier at det er galt å kutte formuesskatten, men skryter nå av at færre betaler formuesskatt. Høyre er opptatt av å trygge velferden gjennom å skape mer, ikke skatte mer. Men verktøykassen vår for varig velferd består av mer enn det. For det første må vi prioritere en sunn og stabil økonomi. Det er en viktig forutsetning for at alle har en jobb å gå til, også i For det andre må vi prioritere kunnskap i skolen, forskning, utvikling og innovasjon. Det er en forutsetning at hver enkelt har de nødvendige forutsetningene for å komme seg i arbeid og evne til å stå på egne ben, som igjen gjør Norge konkurransedyktig. For det tredje må vi satse på kvalitet i omsorgen. Det er en forutsetning for at vi skal møte velferdsutfordringene på en god måte. Vi må ha gode offentlige tjenester som sikrer den enkelte valgfrihet og verdighet. For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn må vi finne den beste organiseringen for gode og robuste velferdstjenester for innbyggerne våre. Sammen med effektivisering av offentlig sektor, investeringer i infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser legger vi grunnlaget for å trygge velferden gjennom å skape mer, ikke skatte mer. mer. Det er særlig i dårlige tider en regjering viser hva den er god for. Derfor lar jeg meg ikke imponere av Arbeiderpartiets selvskryt i denne debatten om vekst i antall arbeidsplasser, i en tid da veksten i resten av verden også har vært bra, og andre land også har skapt mange arbeidsplasser. Det skulle jo bare mangle at Norge ikke var i stand til det samme. Det vi etter seks år med rød-grønn politikk, er at konkurranseevnen er svekket. Regjeringen har lagt økt byrde til norske bedrifter som skal ut og konkurrere. Det kan passere i gode tider. Men når vi i dag ser at eiere må ta ut penger fra bedriften, penger som kunne ha vært med på å trygge for å betale en særnorsk formuesskatt som har doblet seg de siste seks årene, blir det helt feil. Høyre er overbevist om at vi skaper mer bl.a. gjennom moderate og målrettede skattelettelser som sikrer at det lønner seg å jobbe og skape nye arbeidsplasser. Vi skaper mer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Derfor har Høyre sagt i debatten her i dag – og i kveld – at vi vil skape trygghet for velferden gjennom kunnskap og konkurransekraft, gjennom å skape mer, ikke skatte mer. Regjeringens alternativ er uklart. De snakker om hva de har gjort, ikke hva de skal gjøre. De snakker om Høyres politikk, ikke om egen politikk. Jeg håper å få høre noe om hvordan regjeringen vil skape mer. Jeg håper å få høre noe om hvordan regjeringen skal sørge for mer kunnskap, mer forskning og mer innovasjon. Kort sagt: Jeg håper å få høre noe mer visjonært enn de nye angrepene på Høyre og skryt av hva man har gjort, fremfor hva man skal gjøre. Jeg tenkte jeg skulle få si noen ord om status på norsk sokkel. Det er

kartlagte ressurser. Det skjer et kontinuerlig arbeid for å utvikle ny teknologi, bl.a. for å øke utvinningsgraden, og regjeringen legger til rette for en varsom åpning av nye og interessante områder. På det viset går det an å si at regjeringen og departementet allerede er godt i gang med oppfølgingen av den stortingsmeldingen som ligger til behandling i En interessant ting å merke seg er at også modne deler, de områdene som vi trodde vi kjente best på norsk sokkel, leverer spennende funn. I tillegg gjør man store eller svært prospektive oppdagelser i Barentshavet. Det lover godt for framtiden i Norge. I det hele tatt tror jeg det er rettferdig å si at det er stor optimisme. Det tror jeg også peker videre framover. Jeg tror vi kan få en situasjon med større oppmerksomhet, der flere vil melde seg på for å utnytte de mulighetene og være med på å skape de verdiene som nå synliggjøres i Norge. I tillegg lykkes norsk teknologi, norsk olje- og gassrelatert næringsliv internasjonalt. næringsliv internasjonalt. Ved siden av olje og gass og ved siden av fisk er dette i ferd med å bli en av våre aller største eksportnæringer. Det er positivt. Norge er ikke alene om å ha rik tilgang på naturressurser. Nøkkelen til vår suksess ligger i måten vi har forvaltet denne rikdommen på. Som med vannet har man klart å forvalte dette på en måte som har kommet fellesskapet til gode. Man har brukt muligheten til å løfte hele samfunnet opp og fram. Nå er det vår tur til å bringe denne arven videre inn i nye tider,

tiltaket er selvsagt etableringen av det norsk-svenske elsertifikatmarkedet, som skal være på plass fra 1. januar 2012. Det vil representere et paradigmeskifte i utbyggingstakten på fornybar energi. I løpet av de ni neste årene skal det bygges ut 26,4 TWh. Det tilsvarer omtrent en femtedel av det Norge så langt har brukt 130 år på å bygge ut. I tillegg til det kommer store investeringer i sentralnettet og underliggende nett. Det krever infrastruktur å transportere strøm fra produsent til forbruker, det krever infrastruktur å rette opp i skjevheter mellom de ulike landsdelene. Kort sagt bygger vi nå framtiden for dem som kommer etter oss. Jeg tror også det er rimelig å si at vi nå vil gå fra en fokusering på rammevilkår innenfor grønn

Det bør minne oss alle sammen om at edruelighet i finanspolitikken vil være viktig, spesielt i tider som dette. Det er nå vi er nødt til å presse oss selv videre, levere god konkurransekraft, bevare konkurransekraften i annen industri og i eksportrettede næringer og legge grunnlaget for fortsatt utvikling og vekst, også

Da har jeg lyst til å minne om at framtidens velferdsnivå ikke først og fremst handler om hvordan vi forvalter finanskapitalen i petroleumsfondet. Det handler først og fremst om hvordan vi forvalter humankapitalen i befolkningen. Flertallet av arbeidsplassene som skal sikre framtidens velferd, er ikke skapt ennå, og jeg minner om – som regjeringen har en tendens til å glemme når det er budsjettforhandlinger, men som de ellers er flittige til å minne om – at humankapitalen er verdt mer enn fem ganger så mye som finans- og oljekapitalen vår til sammen. Skal norsk velferd i framtiden finansieres av petroleumsfondet, blir det rett og slett «knagre» tider. Jeg tilhører ikke et parti som tror at framtidens næringsliv blir skapt gjennom vedtak i Stortinget. Men det er helt sikkert at opprettholdelsen av dagens velferdsnivå i framtiden krever handling til fordel for humankapitalen i dag. Da har jeg lyst til å være så frekk – hadde jeg nær sagt – at jeg leser opp en liten passus fra loven om Statens pensjonsfond, som nemlig skal «underbygge langsiktige hensyn ved anvendelse av statens petroleumsinntekter». Hva kunne være mer langsiktig enn å bruke noe mer av petroleumsinntektene på styrking av nettopp humankapitalen gjennom etablering av ny forskningsinfrastruktur, gjennom styrking av høyere utdanning og ikke minst gjennom satsing på skolen? La meg begynne med å si noen ord om skolen. Både norsk og internasjonal skoleforskning viser at lærernes kompetanse er det som gir størst bidrag til elevenes læring, og at satsing på økt lærerkompetanse er det mest effektive tiltaket en stat eller en annen skoleeier kan Derfor ble jeg skuffet i fjor høst, da regjeringen i budsjettet bare satte av midler til 2 500 lærere i etter- og videreutdanningsprogrammet. Men så er jeg ikke skuffet bare over nasjonalforsamlingen, men også over kommunene, som bare fant plass til 1 500 lærere. Med dette tempoet tar det 40 år før alle lærere i teorien får tilbud om etter- og videreutdanning. Og man kan jo tenke seg at noen av lærerne har sluttet i løpet av de nærmeste 40 årene. årene. Mitt håp er at årets forhandlinger vil medføre et sterkere nasjonalt engasjement for økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Så håper jeg også at dagens debatt og senere debatter vil bidra til å øke fokuset på dette med hvor bra det er med femårig lærer- og videreutdanning, i stedet for den fireårige lærerutdanningen vi har i dag. Poenget mitt er at

Men utbyggingen medfører også noen problemer, som jeg skal komme tilbake til. Vi har også hørt i de siste månedene at fiskeriministeren vil øke produksjonen av oppdrettslaks og ha økt videreforedling av laksen vi allerede produserer. Helse- og omsorgsministeren vil bygge nye sykehus. Samferdselsministeren vil bygge, riktignok ikke så mye, men like fullt bygge nye veier, bruer og jernbaner. Alle disse ambisjonene til de forskjellige statsråder har det til felles at de krever teknologisk kompetanse. kompetanse. Allerede i dag mangler dette landet 4 000 teknologer. Aldous–Avaldsnes-utbyggingen vil alene kreve 400–700 teknologer i utbyggingsfasen. Derfor er det mitt håp at vi gjør nettopp det statsråd Borten Moe sier, legger til rette for framtidig verdiskaping, også i oljesektoren og i annen industri i Norge, gjennom å få til en satsing på og et løft for teknologiutdanningen i Norge. et løft for teknologiutdanningen i Norge. Det er et helt grunnleggende behov til stede. Jeg tenker at kl. 21, eller hva det er, på kvelden er det lov å være litt lokal også i debatten. Og da har jeg lyst til å minne tilstedeværende statsråder og stortingsrepresentanter om at en av de tingene vi trenger for å utdanne flere teknologer, er infrastruktur, særlig nytt teknologibygg på Høgskolen i Sør-Trøndelag, som jeg håper vi får sjansen til å diskutere når budsjettet blir lagt fram.

og det vil komme høylytte krav om å bruke mer penger.» Derfor spiller regjeringen, og i særdeleshet sjefen – statsministeren fra Arbeiderpartiet – «Trygghetskortet». Han sier, fortsatt ifølge Aftenposten: «Vi er nødt til å holde igjen på pengebruken av hensyn til jobbene, renten og boliglånene. Det er viktigst.» Men det blir neppe krise i norsk økonomi om kvaliteten i eldreomsorgen blir bedre. Men livet vil bli bedre for svært mange pleietrengende eldre. Det blir nok ingen krise i norsk økonomi om norske sykehus blir litt bedre. Dersom tilbake i arbeidslivet, styrker det faktisk konkurransekraften. Det blir ingen krise i norsk økonomi om politiet blir bedre i stand til å utføre grunnleggende politioppgaver, men det blir bedre trygghet. Det er faktisk god økonomi om nyutdannede politifolk kan få jobb i politiet, og dersom politifolk som jobber i politiet, fortsetter å jobbe politiet. Det blir heller ingen krise i norsk økonomi dersom innvandringspresset reduseres, dersom Norge praktiserer et strengere regime for mottak, et strengere regime for avklaring, et strengere regime for retur og et strengere regime for eventuelt opphold i Norge. Og ærlig talt, det blir ingen krise i norsk økonomi dersom det lokale folkestyret styrkes, økonomi dersom det lokale folkestyret styrkes, dersom lokale politikere får mer makt, dersom fylkesmenn, statlige etater og departementer får mindre makt, og dersom folk i kommunene får avgjøre mer selv gjennom aktiv bruk av bindende folkeavstemning, slik Fremskrittspartiet ønsker. Ikke minst: Det blir verken krise eller uorden i norsk økonomi dersom vi i Norge investerer mer i egen samferdselssektor, spesielt i veier som fortsatt bærer den store transportmengden i Norge. Om vi for å sikre fremtidige generasjoner investerer mer fra en oljeformue som nå ser ut til å kunne bli enda større, mer fra en oljeformue i håndfaste og sikre realverdier i eget land fremfor i usikre finansverdier i utlandet, vil det fortsatt være orden i økonomien ikke bare orden, men det vil faktisk være forsterket konkurransekraft. Gode veier er et godt verktøy – viktig for vekstevne og for verdiskaping i årene fremover. Gode transportløsninger i et langstrakt og glissent befolket land i Europas utkant er viktig – viktig for at avstand og transportbehov ikke skal bli en ekstra ulempe for norsk næringsliv og for norsk økonomi. Mye er bra i norsk økonomi, men vi har også svakheter. Vi har et høyt kostnadsnivå. Norge har de dårligste stamveiene i Europa. Målt i fart på vei mellom noen av de største byene i en rekke europeiske land har Norge nå en suveren sisteplass, klart slått av Europas fattige fetter, Albania. Norge har også et storbyproblem med kø i veitrafikken. Det gir norsk næringsliv køkostnader på 10 mrd. kr hvert år. Derfor trenger Norge nå et investeringsløft for veinettet, og det er et løft Norge kan og bør gjøre uten å bruke bompenger. En stor av det som blir bygget av nye veier, blir jo dessverre finansiert med ekstra transportskatt. Fra 2005 frem til i dag er den på hele ekstraskatt fra en regjering som sier at skattene ikke har økt. Økonomien blir bedre med mer veibygging. Konkurransekraften bedres. Det blir ingen krise i økonomien om vi bygger bedre veier uten bompenger, og det blir heller ikke uorden i økonomien. Argumenter om krise og uorden brukes av dem som med god grunn er redde for å miste makten. Derfor fremstår «Trygghetskortet» som et politisk juksekort. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Terroren som rammet Norge 22. juli, er blitt en del av vår nære historie. Hverdagen er her for de fleste. For mange er likevel ikke livet som før. for de fleste. For mange er likevel ikke livet som før. For dem som mistet et barn, en kollega, en av sine kjære, eller for oss som er pårørende til noen som ble alvorlig skadd, eller for foreldrene til ungdommene som nå sliter med psykiske ettervirkninger og kanskje enda ikke har kommet seg ut av foreldrenes seng, for de ungdommene som nå slutter på skolen – for oss berørte er terroren ikke historie, men preger fortsatt en stor del av Jeg er stortingsrepresentant og samtidig pårørende til en som ble alvorlig skadd på Utøya. Jeg har et samfunnsmandat å forvalte. Jeg har tenkt en del på hva jeg ønsker å bruke erfaringene til og hva vi bør bruke dem til. La meg begynne med det grunnleggende: verdier. Positive verdier er kun verdt noe fordi vi slutter opp om dem. De verdiene som preger et samfunn, formes hver eneste dag. Åpenhet, toleranse, kjærlighet, solidaritet er noe vi velger. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke er lov å føle sinne og hat. Tvert imot, det er menneskelig, men hatet kan ikke ta overhånd. Overført til politikk: Vi må bli enda tydeligere i verdispørsmål, bli enda mer åpne og inkluderende i våre gjerninger. Verdier og holdninger bør i større grad bli samtaletema på jobben og rundt middagsbordet. Der har vi alle et ansvar. Konstruktiv kritikk bringer oss framover. Barn og unge må lære kildekritikk og kritisk tenkning. Bare gjennom konfrontasjon og argumenter kan ekstreme holdninger bekjempes. Kun gjennom evnen til selvkritikk kan offentlige etater forbedre seg. Vi må ha plass til systemkritikken etter 22. juli, men vi må også ivareta de ansatte som risikerte livet og som gjorde en jobb med de ressursene og det utstyret de hadde. Terrorangrepet viste at det var svakheter i koordineringen og i den samlede beredskapen i Norge. Det er et politisk ansvar, også mitt eget. Samtidig er jeg ikke overbevist om at svaret alltid er mer penger til etatene. Vi må være smartere enn som så. Norge er et flerkulturelt samfunn. Jeg må si at jeg er skuffet, men ikke overrasket over at Siv Jensen her i dag som leder i denne salens største opposisjonsparti heller ikke benytter sjansen til å ta avstand fra klar feilinformasjon om innvandring og uttalelsene til enkelte av sine kollegaer. Men debatten er enda ikke ferdig. Siv Jensen har fortsatt en sjanse. Terrorhandlingen som rammet Norge 22. juli, krever politisk selvransakelse. Selv om vi skal vente på kommisjonens rapport, er det åpenbart at vi har stilt for dårlige krav til operasjonell beredskap. Personlig mener jeg også at Forsvarets ressurser må kunne brukes bedre i en krise. Svaret er heller ikke generelt mer overvåking og kontroll. De aller fleste i Norge er ikke potensielle terrorister, og skal heller ikke behandles deretter. Vi må ha ressurser og kompetanse i PST slik at de kan få gjort en god forebyggende jobb. Min konklusjon er at den viktigste politiske arven fra 22. juli er å fremme kunnskapsrike, nysgjerrige og tolerante mennesker som i fellesskap og på selvstendig grunnlag tar ansvar for å forme det Norge vi alle er glad i.

vi beskylder hverandre for mye mindre enn det vi gjorde før. Jeg må nok si at det ikke er brukt mange stygge ord i debatten i dag, men det har kommet fram mange stygge beskyldninger, etter min mening. En av dem går da på noen av de tingene jeg er litt uenig i. Det er mye vi er enige om, og vi har mye bra her i Norge, og en av de tingene Stoltenberg fokuserte på i dag, er at arbeidsplasser er viktig. Ja, jeg er veldig enig i det. Nå er det slik at det er få arbeidsplasser som vedtas, de skapes av kreative mennesker rundt omkring i hele Norge. Når de er skapt, er det slik at Arbeiderpartiet gjerne vil at de skal beskattes mest mulig. Det har vært mye fokus på formuesskatten i dag. For meg er det helt uforståelig at statsministeren sier at vi kan ikke endre på det. Det vil si at vi hele tiden skal prioritere utenlandsk eierskap. Det er en så klar forskjell, forskjell, og det er for meg altså helt ufattelig. Derimot skapes det arbeidsplasser gjennom vedtak i byråkratiet. Det er en annen side som vi er ganske uenige i, for det har blitt såpass mye overstyring fra sentralt hold i Norge at lokaldemokratiet begynner å Det er veldig mange nå rundt omkring i Norge som sier at det er uinteressant å være med i lokalpolitikken fordi du blir overstyrt uansett. Det er klart at for demokratiet er det et tankekors når du vet at det er der demokratiet egentlig skapes. Hvis du ikke har et lokaldemokrati, har du vanskeligheter med å få et demokrati på landsbasis også. Høyre er beskyldt for å skulle ha privatisering over hele linjen. Det er aldeles ikke sant. Det er en stygg beskyldning. Høyre er veldig fornøyd med den offentlige skole, med masse offentlige arbeidsplasser, men vi mener at det skal være et alternativ som skal være en korreks, og at de skal kunne lære av hverandre og derved tjene på det. betyr ikke at vi skal privatisere i hele den offentlige etaten. En annen ting som byråkratiet fører med seg, er at det blir tungt å være ute i distriktene. Det er vanskelig å få ungdommen til å flytte tilbake til distriktene når det er slik at det er sentralstyring av det aller meste. Hvis vi ikke greier å gjøre noe med det, blir det flere og flere landsbygda. Da blir det enda flere som følger med på løpet her, og da har vi et problem. Politikk handler om hva slags samfunn vi ønsker oss for framtiden. Da er det viktig at vi fokuserer på egen politikk, men også på forskjellene mellom partiene, og ikke prøver å Høyre framstår i så måte som politikkens tåkefyrste. Det ser ut som strategien er å sitte musestille og ikke snakke om konsekvensene av store deler av politikken sin og av partiprogrammet sitt. Det er forståelig at Høyre ikke ønsker å snakke om sine usosiale skattekutt som vil medføre velferdskutt. Det er forståelig at Høyre ikke vil snakke om hvilke konsekvenser det får å privatisere Det er forståelig at Høyre ikke vil snakke om hvordan de har tenkt å svekke vanlige folks rettigheter i arbeidslivet. Den politiske debatten i tiden framover bør i langt større grad handle om politiske forskjeller. Da må alle partier tåle at det stilles ubehagelige spørsmål om deres politikk og konsekvensene av den. Jeg føler meg trygg på at Arbeiderpartiets politikk i så måte står seg bra – en politikk som viser seg å skape vekst og nye arbeidsplasser, en politikk for rettferdig fordeling, en politikk for velferd for alle. Forskjellene på høyresiden og venstresiden i norsk politikk er klare, men de er kanskje blitt litt vanskeligere å få øye på for mange ettersom Høyre har endret retorikken. Men Høyre har ikke endret politikken. Vi har et felles ansvar for å klargjøre forskjellene for velgerne. Helt til slutt har jeg lyst til å fokusere litt på landsdelen jeg kommer fra, nemlig Sørlandet. Vi opplever voldsom vekst, men samtidig ser vi hvor sårbare vi er overfor internasjonal økonomisk uro ettersom mye av næringslivet er eksportrettet. Da er det viktig med en regjering som holder orden på økonomien. Mye positivt har skjedd hos oss på Sørlandet de siste tiårene. Vi er en landsdel i positiv utvikling. Dessverre har vi Jeg er derfor tilfreds med at vi har en regjering som er oppdatert på Sørlandet, og som bl.a. sørger for at det nå skal ses ekstra nøye på hvordan man skal komme et steg videre. Det nyoppnevnte Sørlandsutvalget blir et viktig verktøy i så måte. Debatten i dag, og for så vidt foregående innlegg, viser litt at det er